mellom storting og regjering. Derfor er det Senterpartiet ikkje støttar den delen av representantforslaget frå SV som går ut på å setje tidsavgrensing på eitt år for mellombels væpning, før ein må ha eit vedtak i Stortinget. Dette betyr likevel ikkje at vi meiner spørsmålet om langvarig mellombels væpning ikkje er relevant for Stortinget. Det er det i høgste grad fordi stadig fornya mellombels væpning er problematisk sett i forhold til at Stortinget har slått fast at vi framleis skal ha eit generelt uvæpna politi her til lands. Det er grunnprinsippet, og så må regjeringa kunne godkjenne mellombels væpning når situasjonen krev det. Senterpartiet har saman med Arbeidarpartiet og Kristeleg Folkeparti poengtert at det er vanskeleg å rekne den mellombelse væpninga som mellombels, dersom ho stadig blir held fram i årevis. Derfor har dei tre partia framheva kor viktig det er at justis- og beredskapsministeren i kontakt med Politidirektoratet aktivt søkjer andre alternativ til dagens væpningspraksis. Eg vil også framheve kor viktig det er at systematisk informasjon om negative konsekvensar, både direkte og indirekte konsekvensar, blir samla inn frå politidistrikta eit mellombels løyve til væpning er i ferd med å gå ut på dato. Når ein skal vurdere eventuell forlenging av løyvet, er det vesentleg at slik informasjon blir teken med i vurderinga. Det er ingen tvil om at ting som skjer ute i verda, også påverkar debatten her heime om korleis politiet skal vere rusta. Terrorangrepet i Paris er eit skrekkeksempel. Der gjekk det frykteleg gale, og det er lett å rope på meir våpen for å unngå at slikt skal skje her til lands Det er likevel verdt å minne om at politiet i Frankrike er generelt væpna. Terrorfaren og konsekvensane av den terroren som faktisk skjer, blir ikkje nødvendigvis mindre av at politiet har våpen i beltet. Samtidig er det klårt at det er situasjonar der det vil vere ein absolutt fordel å ha våpenet for hand, det kan vi ikkje tale oss bort frå. Det vi må gjere, er å vege fordeler og ulemper mot kvarandre og finne ut kva slags politi vi skal ha. Senterpartiet meiner vi framleis skal ha eit politi med eit sivilt preg, som er generelt uvæpna, men som skal ha god tilgang til våpen når det trengst. Den framskotne lagringa av våpen er eit framsteg i så måte, og vi må sørgje for at den ordninga fungerer godt og smidig. Framstegspartiet legg fram eit forslag om å innføre permanent generell væpning. Eg er glad for at fleirtalet på Stortinget ikkje støttar dette forslaget frå Framstegspartiet. Framover er det viktig at vi sikrar oss eit best mogleg vurderingsgrunnlag før nye rundar med denne debatten. Målet må vere ein væpningspraksis som sikrar både eit trygt samfunn og framleis stor tillit og kort avstand mellom politiet og innbyggjarane. Når jeg ser utover salen på mine kollegaer som sitter her, ser jeg jo at samtlige har lengre ansiennitet enn meg på Stortinget – selvfølgelig bortsett fra fra Hordaland – men jeg har forstått det sånn at for at SVs forslag skulle ha blitt votert over i salen, måtte det ha blitt fremmet som et løst forslag i dag morges. Jeg har forstått det sånn at det ikke er fremmet, og at det derfor ikke er et av de forslagene som vi behandler her i dag. Men det er med all ydmykhet jeg sier dette, jeg kan ta feil. jeg sier dette, jeg kan ta feil. Hvis jeg tar feil, vil vi stemme for SVs forslag, men siden jeg tror jeg har rett, kommer jeg ikke til å si så mye mer om det i innlegget mitt. Det er ikke tvil om at vi er i en alvorlig situasjon, slik trusselsituasjonen er nå. Men det er også alvorlig når den midlertidige bevæpningen drar ut i tid. bevæpning først og fremst fordi den trusselsituasjonen som er nå, er rettet mot bl.a. polititjenestemenn selv, uniformert politi. Men selv om de er bevæpnet for å beskytte seg selv, følger det en del negative konsekvenser med bevæpningen. Flere har vært inne på de vådeskuddene som har blitt avfyrt, og det står også omtalt i saken. Det har heldigvis gått godt, iallfall relativt godt, så langt, men det er ganske alvorlig når vi ser en økning i antall vådeskudd. Jeg synes også det er ganske alvorlig når en bevæpning drar ut i tid, fordi en midlertidighet blir en Kanskje ser vi ikke konsekvensen av en normalsituasjon etter ett år med midlertidig bevæpning, men man er med på å normalisere noe som egentlig skal være spesielt og unikt og kun brukes i et kortere tidsrom. Så er det slik, som også blir behandlet i de to sakene, og står omtalt, at vi har en våpeninstruks som ikke er laget for tilfeller der bevæpningen skal vare over så lang tid som nå. Vi har en våpeninstruks som egentlig er laget for de konkrete, spesielle situasjonene, når politiet trenger å bevæpne seg for å gå inn i en situasjon. Så har vi gjort den permanent på midlertidig basis, og det har medført at politiet går med ladde våpen. Så har politiet selv sett at dette kanskje er noe man må ta tak i, men jeg mener at det er noe vi burde ha sett lenge før, at det er noe justisministeren burde ha tatt tak i tidligere, for nå har vi en situasjon der denne midlertidigheten har vart i et helt år, hvor politiet har gått med ladde våpen på hofta. Jeg mener også at så lenge vi har en situasjon som er så uavklart med tanke på så uavklart med tanke på endetidspunkt, er det på tide at vi får litt fortgang i arbeidet med å se på hvilke andre måter vi kan beskytte samfunnet vårt på, hvilke andre måter vi kan møte denne konkrete trusselsituasjonen som vi nå står overfor på, men også eventuelt framtidige trusselsituasjoner, som ikke innebærer en midlertidig bevæpning av alt politi. Så har flere vært inne på hendelsene i Paris – grusomme og alvorlige hendelser

jeg tror den var fra januar, der de viste at en generell bevæpning av politiet ville ha liten effekt i de aller fleste av den type angrep. Det har å gjøre med at de har overraskelsesmomentet på sin side. Man trenger tyngre bevæpning enn det politiet vanligvis går med. Vi så også i Paris at sånne terrorhendelser kan skje selv om man har et bevæpnet politi. Det som FFI peker på er det viktigste virkemidlet mot terror, er ikke nødvendigvis våpenet, men etterretningen. Det skal vi også ta inn over oss her – at det handler ikke bare om ett virkemiddel. Vi må se på alle de virkemidlene vi har tilgjengelig for å bekjempe terror. Jeg mener det også er problematisk når vi blander debatten om den midlertidige bevæpningen med ønsket om en Spesielt utfordrende er det for en justisminister som skal lede oss gjennom dette, og som er helt klar over at Stortingets vilje er at vi skal ha et ubevæpnet politi i Norge, når hans eget parti fremmer forslag om en permanent bevæpning. Han skal sette ned et utvalg, og vi vet at som man roper i skogen, får man svar. Jeg håper at vi får et utvalg som ser på dette på en nøyaktig, god og grundig måte. Presidenten vil gjøre oppmerksom på at det ikke foreligger noe forslag fra SV. Det er heller ikke tatt opp noe forslag fra SV.

stortingsperioden. Det spesielle er at det kan skje, sjølv om berre eitt av partia på Stortinget har det som politisk standpunkt, og sjølv om Stortinget våren 2015 gjekk samrøystes mot det. Mange politikarar har uttrykt skepsis og bekymring, eit fleirtal i Stortinget faktisk. Ei rask googling viser at mange av representantane som er til stades her i dag, er blant dei. Fleire av dei har til og med i media nemnt ei tidsramme for når mellombels ikkje lenger er mellombels, men har vorte permanent. når mellombels ikkje lenger er mellombels, men har vorte permanent. Når vi risikerer at den mellombelse væpninga gradvis vert varig, er det etter mitt syn tre årsaker til det. Det første er varigheita. Spørsmålet vi må stille oss, er: Kor lenge kan ein situasjon kallast mellombels? Eit kvartal, eit år – eller finst det absolutt ingen grenser i det heile? Det er svært vanskeleg å setje ei grense. Dersom ein meiner at det ikkje finst ei grense, er skiljet mellom mellombels og varig absolutt utviska. Då overser ein eit grunnleggjande spørsmål: Kor lenge kan ei væpning som er mellombels i namnet, stå seg før det har endra norsk politi, det norske samfunnet, på ein måte som vert vanskeleg å reversere fordi det har vorte vanleg? Det andre er korleis grunngjevinga har forandra seg. Då den mellombelse væpninga vart innført, var det som ein respons på ein særskild situasjon der det var ein konkret den mellombelse væpninga oppheva, den 13. november. Trusselnivået var lågare, og grunnlaget for mellombels væpning hadde teke slutt. Politidirektoratet var klar: «PST vurderer at sannsynligheten for at en terrorhandling vil skje i Norge er lavere enn ved forrige trusselvurdering, herunder også sannsynligheten for angrep på uniformert personell fra politi og forsvar.» Så kom terroråtaka i Paris. Væpninga vart forlengd til 10. desember på grunn av ein uoversiktleg situasjon. Trusselbildet var framleis lågare. Så har det no gått åtte nye veker, heller ikkje denne gongen grunngjeve i eit forsterka trusselbilde, ifølgje direktoratet: «PST har ikke hevet trusselnivået siden forrige forlengelse av midlertidig bevæpning. Grunnen til at Politidirektoratet har besluttet forlengelse er at situasjonen fremdeles fremstår som uoversiktlig og uavklart etter angrepene i Paris i november.» Framleis redusert ein annan type trussel – likevel er svaret framleis væpning. Det spesielle er at væpning av norsk politi står fram som svaret på relativt ulike truslar – ein konkret trussel mot uniformert personell, ein uoversiktleg og uavklart situasjon. Dei som ikkje synest det er verd å dvele ved det, bør i alle fall svare på følgjande spørsmål: Kva for ein realistisk situasjon i Europa i vår tid er det som ikkje kan beskrivast som uoversiktleg og uavklart? For det tredje: Eg har aldri sagt at væpning av norsk politi vert snikinnført. Det har eg ikkje sagt, for eg har ikkje meint det, og eg meiner det ikkje no heller. Eg trur situasjonen har oppstått av reelle grunnar, og ikkje er eit forsøk på snikinnføring. Men eg stiller spørsmål ved om Framstegspartiet og justisministeren i det siste har bestemt seg for å nytte høvet til å føre debatten vidare Vel, i vår gjekk Framstegspartiet imot å innføre generell væpning. I den eine saka vi behandlar i dag, fremjar partiet – delar av regjeringa altså – eit forslag i Stortinget om å innføre det. Tidlegare var justisministeren oppteken av å dempe koplinga til debatten om generell væpning. No har han aktivt løfta det fram dagar etter Paris-terroren. Dette er ei vanskeleg sak. Det er vanskeleg Det er vanskeleg for Stortinget å overprøve eit vedtak basert på sikkerheitsvurderingar vi ikkje fullt ut kjenner. Difor bør det og skal det vere regjeringa som avgjer mellombels væpning, men det er ikkje urimeleg at regjeringa etter noko tid må få det godkjent av Stortinget og dermed gje ei utvida grunngjeving for det. Det er ikkje ei endring av ansvarsforholda. Det er ein demokratisk sikkerheitsventil. Å møte ei endring med skepsis og bekymring, men også aksept og auka innsikt, kan vere klokt, som mange parti i denne salen har gjort – mellombels. Men varig skepsis og bekymring utan å gjere noko med skepsisen sin og bekymringa si minner meir om ansvarsfråskriving enn klokskap, etter mitt syn. Eg synest difor at dei partia på Stortinget som er mot permanent væpning, og dei representantane som har gjeve uttrykk for bekymring over utviklinga, bør tenkje gjennom sine standpunkt og om ein på ulike måtar skal ta større ansvar for om Noreg berre sklir over i ein situasjon med varig væpning. Jeg vil først vise til den redegjørelsen jeg holdt 2. juni og høringen om denne saken i november. Men så

Jeg kommer litt tilbake til det igjen etterpå. La det være helt klart at regjeringen forholder seg til Stortingets klart uttrykte vedtak om at norsk politi i normalsituasjoner skal være ubevæpnet. Det er det ingen tvil om. Det har vært viktig for oss å følge det opp. Derfor har vi også når vi har gjennomført forlengelser av den midlertidige bevæpningen, bare forlenget det for åtte uker av gangen og innhentet PSTs oppdaterte trusselvurdering i forkant av behandlingen av Politidirektoratets søknader. Når PST 27. oktober i år forsiktig nedjusterte trusselbildet, er det en endring i positiv retning, og endringen skyldes i stort endringer knyttet til de norske ekstremistmiljøene. Flere personer er sannsynligvis drept i Syria, ni er varetektsfengslet og siktet for terrorrelatert kriminalitet i Norge, og én er rettskraftig dømt til åtte års fengsel. Som Stortinget er kjent med, valgte Politidirektoratet å varsle en avvæpning av norsk politi, altså at en tar den midlertidige bevæpningen ned med virkning fra 17. november, men terrorhendelsene i Paris 13. og 14. november i år gjorde at situasjonen ble uoversiktlig. Jeg vil understreke at det er helt riktig det som ble sagt fra talerstolen i sted, at det endret ikke trusselbildet. Trusselbildet er på det samme nivået, altså noe lavere i slutten av oktober i år enn det det var i slutten av oktober i fjor, men det er uoversiktlig og uavklart, ifølge PST. De forventer at dette vil vedvare en tid fremover.

I perioden med midlertidig bevæpning har det ifølge Politidirektoratet vært avfyrt 25 vådeskudd. I media har tallet 26 versert, og det skyldes at det sannsynligvis er dobbeltrapportert om ett vådeskudd på hver side av fjoråret. Jeg mener det er viktig at vi tar lærdom av disse og andre hendelser i forbindelse med våpenbruk. Rapporteringsrutinene rundt vådeskudd har vært for dårlige, og derfor har jeg pålagt Politidirektoratet å pålegge politimestrene å rapportere inn alle vådeskudd. Denne informasjonen skal fortløpende tilflyte departementet, og våpeninstruksen ble endret på dette punkt i august i år. Jeg går ikke noe nærmere inn på det, for det ble det gjort rede for også i men den store risiko- og sårbarhetsanalysen som ble gjennomført i sommer, viste at det var ingen av politimestrene som mente det var noen alternativer på det tidspunktet som kunne kompensere for Vi jobber nå med å finne enda bedre metoder for å sikre skikkelige risiko- og sårbarhetsanalyser som beslutningsgrunnlag for eventuelle fremtidige situasjoner. Jeg har også bedt, som komiteen og Stortinget er kjent med, Politidirektoratet utrede bruk av elektrosjokkvåpen. Så er vi nå i ferd med å sette ned et offentlig utvalg som ordningen med fremskutt lagring, som ble innført i 2013, og den perioden vi har bak oss nå med midlertid bevæpning, og sammenligne med andre land og fremme forslag til hvordan bevæpningsordningen bør være for norsk politi fremover. En kommentar til representanten Nybø: Hun mente at justisministeren burde tatt tak i bevæpningspraksis med våpen på hofta tidligere. Det er jeg ikke enig i. Jeg mener det er en faglig vurdering. Jeg gjør også Stortinget oppmerksom på at Politidirektoratet i søknaden nå har gått tilbake til den gamle bevæpningsordningen, altså den ordinære bevæpningsordningen, med ladd våpen på hofta. Det blir replikkordskifte. Politiet utøver makt på vegne av samfunnet. Hvordan man bruker de ulike maktmidlene, taktikk og metodikk, er

Politidirektoratet sa i sin høringsuttalelse 5. desember 2014 om ny våpeninstruks for politiet at de prinsipielt mente at man bør vente med å innføre en hjemmel for å kunne beslutte generell bevæpning, og at dette må utredes nærmere. Jeg er derfor glad for at statsråden har besluttet at det skal utarbeides en NOU om dette spørsmålet, og at dette må utredes på en skikkelig og grundig måte. Mitt spørsmål er da: Hvordan vil statsråden sikre at mandat og sammensetning har stor troverdighet hos alle parter, og når blir dette arbeidet iverksatt? Arbeidet med å utarbeide mandat og vurdere sammensetning av dette offentlige utvalget er allerede igangsatt. Arbeidet med mandatet vil bli ferdigstilt på nyåret, slik at arbeidet i utvalget kan komme i gang så raskt som mulig. Dette skjer på helt ordinær måte. Først vil jeg bare si at grunnen til at jeg ikke er

lag. På pressekonferansen 13. november, da politidirektøren begrunnet avvæpningen, var han krystallklar på at bevæpningen ikke kunne videreføres. Han sa at politiinstruksen ikke lenger ga noen hjemmel for det. Hvis PST hadde lagt fram den trusselvurderingen som kom i oktober i år, i oktober i fjor, sa han at det ikke ville blitt iverksatt noen bevæpning i det hele tatt. Er det en framstilling som statsråden deler?

ved hver søknad om fornyelse av den midlertidige bevæpningen. Men jeg kan ikke for egen kjøl stå for de vurderingene Politidirektoratet har gjort. Det må Politidirektoratet selv forklare og forsvare. Men det er jo slik at den nye trusselvurderingen dro trusselnivået ikke mye, men noe ned. Den dro det såpass ned at Politidirektoratet da mente at det ikke var behov for å ha den midlertidige bevæpningen. Det at det nå har kommet en uavklart situasjon i tillegg, har gjort at vi har ønsket å forlenge den noe. Jeg forutsetter at de benytter fullmakten til å ta bevæpningen ned når de mener at det Jeg forutsetter at de benytter fullmakten til å ta bevæpningen ned når de mener at det ikke lenger foreligger en sånn type uavklart forhold. Jeg er ikke nødvendigvis uenig med justisministeren i at vi skal høre på faglige råd. Men jeg mener vi ikke helt kan fraskrive oss det politiske ansvaret for at alternativene ligger der. Når det er et faglig råd at våpenet må være ladd, skal vi høre på det. Men hvis det faglige rådet er basert på at det ikke er alternativer fordi politiet ikke er trent til å lade våpenet i en situasjon, synes jeg det er justisministerens ansvar å sørge at de får trening i det. Det samme gjelder andre virkemidler som politiet måtte trenge i framtidige trusselsituasjoner. For det er ikke alltid sånn at trusselsituasjonen retter seg mot uniformert politi, som gjør at de må gå med ladd våpen på hofta. trusselsituasjoner, og andre tiltak kan settes i verk. Da er det et politisk ansvar, og det er justisministerens ansvar å sørge for at vi har alternativene til generell bevæpning som kan brukes i andre trusselsituasjoner. Hva gjør justisministeren for å få det på plass? Som jeg burde presisert i mitt innlegg, er det selvfølgelig ikke sånn at det å bære våpen er det tiltaket som virker. Det er en rekke tiltak som er iverksatt. Det er tiltak vi snakker om, og tiltak vi ikke snakker om, i tillegg til den midlertidige bevæpningen. Det å dra ned bevæpningen betyr ikke det samme som at vi bevæpningen betyr ikke det samme som at vi fjerner alle de tiltakene som er innført for å møte den trusselvurderingen som PST har presentert. Man fjerner bare dét tiltaket. Av alternative tiltak har vi gjennomført disse ROS-analysene, som jeg nevnte i mitt innlegg, og det er ikke identifisert noe i noe politidistrikt på det tidspunktet den dagjeldende trusselvurderingen gjaldt, som kunne kompensere for bortfall av bevæpningen. Det mener jeg vi må forholde oss til. Samtlige politimestre anbefalte i sommer videreføring av bevæpningen. Nå er situasjonen annerledes fordi vi har en annen trusselvurdering og en annen begrunnelse for den midlertidige bevæpningen. I tillegg har jeg bedt Politidirektoratet utrede elektrosjokkvåpen som et alternativ til bevæpning for å ha et nivå mellom pepperspray og bevæpning, og det er en utredning jeg venter å få i løpet av året.

Kan statsråden tenkje seg å ha dialog med partia på Stortinget om samansetjinga og mandatet for NOU-utvalet før han set det ned? I motsetning til det enkelte tror, er jeg veldig dialogorientert. Jeg er veldig opptatt av at det dette utvalget kommer til – uansett hva det måtte være har en nødvendig bredde og forankring som gjør at det får den tilliten som det er nødvendig å ha til en offentlig utredning av denne typen. Jeg har ikke noe problem med å ha en åpen dialog med de ulike partiene på Stortinget om dette, men det er også slik, som representanten Solhjell understreker, at med det å vinne regjeringsmakt følger også muligheten til å nedsette denne type utvalg. at dette blir et bredt sammensatt utvalg med et tilfredsstillende, godt mandat, og det er de tre elementene som jeg nevnte fra talerstolen i sted, som vil være hovedmandatet. Så er vi åpne for eventuelle innspill fra Stortinget. Det synest eg var eit ekte dialogorientert svar og føreset då at statsråden vil ta kontakt med partia på Stortinget på ein eller annan måte for å ha dialog om samansetjing og mandat på

mens eg var statsråd som mitt parti var med på, som ikkje eg kjente til eller kanskje hadde gjeve eit lite nikk til på førehand. Så mitt spørsmål er: Kjente justisministeren til at Framstegspartiet ville fremje eit slikt forslag, og gav han eit nikk, ein aksept eller eit «go» på nokon måte på førehand til det?

konklusjonen og i forslaget. Etter vår mening er det trusselvurderingen, trusselsituasjonen, som må stå i fokus for Stortingets vurdering av denne typen saker. Det er begivenheter og trusler som ligger utenfor Stortingets kontroll, men som berører borgerne i dette landet på ulike måter. Så fremmes det forslag om at vi skal gjøre myndighetenes verktøykasse tidsavgrenset ved at Stortinget skal bestemme hvilke muligheter politiet i dette tilfellet har til bevæpning etter ett år. Da blir hovedspørsmålet: Hvilket beslutningsgrunnlag skal Stortinget ha til det? Alt tyder på at vi ikke vil kunne få et fullstendig beslutningsgrunnlag. Da er igjen neste spørsmål, i forlengelsen av det: Kan vi da fatte en kvalifisert beslutning? Antakeligvis ikke, mener Høyre. Så er det også et annet aspekt som gjør at vi ikke støtter forslaget. Det er at det etter vår mening ikke tilligger denne salen å gå inn og politisere faglige, operative og taktiske tiltak som berører rikets sikkerhet, eventuelt borgernes sikkerhet. Der har vi en maktfordeling som er grunnlovfestet, og som sier at det er statsråden som er konstitusjonelt ansvarlig. Det er statsråden som overfor Stortinget svarer på hva som er rett og galt hvis noe går galt. galt hvis noe går galt. Hvis Stortinget skal fatte en beslutning som går så dypt ned i hierarkiet som det vi her inviteres til, mener Høyre at vi forrykker det maktfordelingsprinsippet, og det ønsker vi ikke å bidra til. La meg starte med – til representanten Solhjell: Hvis det er så dypt ned i hierarkiet som det vi her inviteres til, mener Høyre at vi forrykker det maktfordelingsprinsippet, og det ønsker vi ikke å bidra til. La meg starte med – til representanten Solhjell: Hvis det er noen i denne salen som tror at Fremskrittspartiets stortingsgruppe ikke fremmer de forslagene den ønsker å fremme, tar de dypt og inderlig feil. Det regner jeg med at statsråden egentlig har bekreftet nå, og forskjellen på Fremskrittspartiets og SVs stortingsgruppe er at vi ikke demonstrerer på utsiden. Vi gjør ting her, bare så det er sagt. Når det er sagt, tenker jeg at diskusjonen vi har nå, egentlig

Jeg har på en måte respekt for det utgangspunktet, men hvorfor ikke snu det og si «også de positive»? Hvorfor er det slik at man skal være ensidig negativt fokusert på dette? Jeg oppfatter at Politiets fellesforbund, som representerer de aller fleste politifolkene som er ute og gjør jobben, slik at vi skal ha en trygg og god hverdag, har vært tydelige på at de ønsker permanent bevæpning fordi de mener at det vil gjøre dem best i stand til å gjøre jobben sin. Så sies det her av representanten Nybø fra Venstre at det viktigste er etterretning. Det er på sett og vis riktig, men hva gjør vi da med den soloterroristen som ingen finner ut av? Så sier man at jo, men bevæpning gjør ingenting. Det synes jeg er å dra det vel langt, for et bevæpnet politi kan faktisk være med på å redusere skadeomfanget. Det vil ikke stoppe situasjonen, det påstår jeg slett ikke, men et bevæpnet politi kan være med på å redusere antall skadde og i verste fall drepte. Frankrike – Paris – har vært diskutert her. Det er helt åpenbart at fransk politi var bevæpnet, og allikevel ble tapstallene store. Er det noen her som vil påstå at tapstallene ville blitt mindre hvis fransk politi ikke var bevæpnet? I så fall ser jeg fram til å høre at noen påstår det herfra, og at de kan dokumentere det. Representanten bevæpnet? I så fall ser jeg fram til å høre at noen påstår det herfra, og at de kan dokumentere det. Representanten Werp synest eg heldt eit ryddig innlegg, der han argumenterte mot det representantforslaget som SV har presentert her, med dei to argumenta eg sjølv synest er best mot det. Eg vil difor på same måte kort gå igjennom motargumenta som gjer at eg likevel konkluderer annleis på begge Før det første: Det er heilt riktig at Stortinget ikkje fullt ut kan kjenne – heller ikkje eit organ som den utvida utanriks- og forsvarskomiteen – djupna i PSTs sikkerheitsvurdering, sånn som f.eks. Regjeringens Sikkerhetsutvalg kan. Difor – som det står i forslaget, og som eg sa i innlegget mitt – bør det vere regjeringa som tek avgjerda om å Derimot meiner eg at det ikkje er urimeleg at regjeringa etter noka tid presenterer ei sak for Stortinget om grunngjevinga, der ein går noko meir grundig igjennom det, innanfor dei rammene som er moglege – ja kanskje kan det òg kombinerast med at ein kan gje ein del informasjon i dei organa Stortinget har, der ein kan presentere Det vil vere ein måte Stortinget kan godkjenne dette på, dersom det skulle vare lenge. Det andre argumentet er at det rokkar ved ansvarsforholda å gå lenge inn for mellombels væpning. Eg vil nok seie at væpning av politiet er eit ganske stort og prinsipielt spørsmål av den typen politikarar skal ta stilling til. Dersom mellombels væpning skulle vare svært lenge, så lenge at det går over i ein uklår mellomfase om kva som er mellombels, og kva som er varig, oppstår, synest eg, ein problematisk situasjon. Det er bakgrunnen for forslaget. Vi vil ikkje føreslå at Stortinget skal gjere vedtak om å setje i gang dette, men det er ingen tvil om at eg meiner at det er eit ansvar politikarar har, å ta avgjerder her i Stortinget dersom noko gradvis sklir over i ei større varigheit. Eg synest dette var eit godt forslag om kvar det kunne liggje. Så skal eg vedkjenne frå denne talarstolen at eg ikkje er ukjend med protestar mot regjeringa – heller ikkje frå parti som har representantar her – korkje i salen eller utanfor salen. Då må eg få leggje til at eg har jo lese nok aviser til å ha fått med meg at det skjer visse protestar utanfor denne salen òg, frå Framstegspartiet. Men det eg er litt ukjend med, er at ikkje dialogen mellom dei som sit i ein komité, og statsråden er så god at ein kjenner til alle forslaga som vert fremja, på førehand. Dette var bakgrunnen for det spørsmålet som eg ikkje fekk svar på, nemleg: Var det sånn at statsråden kjente til dette forslaget og gav ei form for aksept for det, eller, for å spørje på ein annen måte: Var det ein protest som kom overraskande på regjeringa – noko eg sjølv ville vore litt bekymra for viss eg sat der – eller var det avtalt spel? Det er framleis det usvara spørsmålet eg reiste. Flere har ikke bedt om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

at dette spørsmålet om lokalisering av hovedsetene til politidistriktene skulle overlates til Politidirektoratet, og Stortinget ga en fullmakt i så måte. Saksordføreren har intet å trekke fra, og intet å legge til i denne saken. Vi viser til de merknadene som ble skrevet i forbindelse med

Regjeringa har vedteke eigne retningsliner for lokalisering av statlege arbeidsplassar og statleg tenesteproduksjon. Der har ein i punkt 3 slege fast: «Ved avgjerd om lokalisering ved større strukturendringar og ved nyoppretting av statleg verksemd, skal saka leggjast føre regjeringa.» Eg tykkjer det både er at regjeringa og stortingsfleirtalet på den eine sida viser til kor store og flotte endringar som skal skje med den vedtekne politireforma, medan dei på den andre sida prøver å vri seg unna at ein reduksjon frå 27 til 12 er ei større strukturendring som dei nemnde retningslinene famnar om. Eg forstår kvifor, for innrømmer ein det, innrømmer ein også at ein bryt med desse retningslinene til regjeringa for lokalisering av statlege arbeidsplassar. Og kvifor er dette så viktig for oss i Senterpartiet? Jo, det er fordi vi veit at fordelinga av statlege arbeidsplassar også heng saman med lokal og regional utvikling. Når vi fordeler slike arbeidsplassar, må vi ta ulike politiske omsyn i tillegg til dei faglege vurderingane som sjølvsagt må No har vi den spesielle situasjonen at politidirektøren i går, dagen før denne stortingsdebatten, la fram si endelege avgjerd om kor politimeisterembeta skal plasserast. Eg tykkjer det er noko politisk umusikalsk ikkje å vente eit par dagar med det. Senterpartiet er likevel nøydd til å halde seg til avgjerda frå Politidirektoratet, og vi er også nøydde til å halde oss til haldninga til stortingsfleirtalet.

den gongen dei gjorde det, og då bør det også vere ein grunn til å følgje dei. Presidenten antar at representanten skal ta opp forslag. Det vil representanten gjerne gjere. Representanten Jenny Klinge har tatt opp det forslaget hun refererte til. Det sies at politikk er det muliges kunst, og jeg mener at nærpolitireformen er

i en sak der det er et bredt politisk flertall i salen mot Senterpartiets syn, under dekke av at det skulle være i strid med noen retningslinjer. Jeg synes det er spesielt, og jeg synes det blir enda verre når jeg i dagens medier kan lese at representanten Jenny Klinge går i strupen på politidirektør Humlegård og sier at han ikke har nødvendig respekt for Stortinget som institusjon fordi han i går presenterte lokaliseringen av de nye hovedsetene. Vi har hatt mange diskusjoner i denne sal, og ikke minst i denne komité, om holdninger, kultur og ledelse. Hvis det virkelig er representanten Klinges mening at Politidirektoratet ikke skal gjennomføre vedtak fattet av et stort flertall i denne sal fordi ett parti ønsker omkamp om da tror jeg rett og slett ikke representanten har forstått hva diskusjonen om holdninger, kultur og ledelse dreier seg om. Det politidirektøren har gjort, er jo nettopp å forholde seg til det brede flertallet, forholde seg til de tydelige styringssignalene og den klare ledelsen som dette storting, et klart flertall i Stortinget, har bedt Politidirektoratet om å gjøre. Det er i tillegg gjennomført en grundig prosess. Så kan man mene hva man vil om utfallet og de konkrete lokaliseringene, men det er da vitterlig slik at et klart flertall i denne sal har sagt at det skal avgjøres av Politidirektoratet. Politidirektoratet. Det ville vært tjenesteforsømmelse om Politidirektoratet hadde lagt opp til noe annet fordi ett parti mente noe annet enn det det brede flertallet gjør. Så jeg håper at representanten Klinge er enig med meg i at vedtak i Stortinget går foran regjeringens retningslinjer, og at det er politidirektørens plikt å oppfylle Stortingets vedtak i samsvar med den klare instruks politidirektøren også har fått fra justisministeren. Det blir replikkordskifte. Eg skal gjere det kort. Når det statlege arbeidsplassar, står det klart at ved større strukturendringar skal saka ikkje avgjerast av etaten, men av regjeringa. Då lurer eg berre på kva som var grunnen til at saka om lokaliseringa av politimeisterembeta ikkje skulle til regjeringa. Var det det at endringane ikkje fell inn under større strukturendringar?

Det er Kommunal- og moderniseringsdepartementet som har ansvaret for disse retningslinjene, men det er altså inngått en politisk avtale og et forlik i dette storting som sier at det er Politidirektoratet som skal fatte den endelige beslutningen. Jeg fastholder – og jeg håper representanten Klinge er enig i det – at vedtak i Stortinget går foran regjeringens egne
er ikkje gitt at vedtak fatta av Stortinget er fornuftig av den grunn. Men når det gjeld akkurat desse retningslinene, gjaldt det måten ein skulle gå fram i saka. Arbeidet med politireforma var lagt fram som eit forslag frå regjeringa, der ein gjekk inn for at POD – så vidt eg hugsar – skulle avgjere lokaliseringa av politimeisterembeta, så dette var noko regjeringa sjølv tok stilling til Eg meiner det er i strid med formuleringa om at det ved større strukturendringar ikkje skal overlatast til etaten, men skal til regjeringa. Eg spør ein gong til: Er det verkeleg slik at statsråden meiner at ein reduksjon frå 27 til 12 ikkje er ei større strukturendring? Det er vel nærmest et retorisk spørsmål. Dette er den største omorganiseringen av norsk politi i moderne historie. Det er åpenbart at dette er en stor omstilling, og jeg må si at jeg er litt overrasket over at representanten Klinge så tydelig sier at Stortinget ikke bestandig fatter fornuftige vedtak. Det er altså slik at Stortinget ikke bare har fattet et vedtak, men har fattet et vedtak med et bredt flertall, og det er stor enighet om at vi skal gjøre norsk politi mer fremtidsrettet og bedre gjennom denne strukturreformen. Ett av de elementene vi da ble enige om, var at det er Politidirektoratet som – basert på en faglig vurdering, hvor også hensynet

Ok – då er denne saka avgjord, og debatten er avblåst. Med den regjeringa vi har, ligg det føre ein del nye strukturendringar – i alle fall forsøk på det – framover. Viss ein tek utgangspunkt i at regjeringa tek sine eigne retningsliner på alvor, ser statsråden for seg at nye strukturendringar skal

involvering underveis i prosessen, hvor det har vært viktig at vi skulle finne de gode løsningene så tidlig som mulig. Det har vært en prosess som har vært utradisjonell. Det betyr at man noen ganger må velge utradisjonelt for å sikre at en får et så godt resultat som overhodet mulig. Jeg er stolt over at Stortinget med et så bredt flertall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

gi politiet større frihet under ansvar og større frihet til å gi politifaget mulighet til å styre utviklingen i større grad og dermed skape mer trygghet og forutsigbarhet. Når jeg ba om ordet, var det i forlengelsen av det vedtaket som den nevnte politidirektøren fattet i går. Nå er beslutningen fattet, og vi må se

redningsaksjoner, oppdrag og henvendelser til de respektive nødetatene. Resultatene står i stil ‒ de er gode. De har i aller høyeste grad vært viktige bidrag til en effektiv og god redningstjeneste i Buskerud, og for Vestfolds del også når det gjelder brann, fordi nødsentralen for brann også dekker Vestfold. Mitt anliggende er å signalisere veldig tydelig at de

som Buskeruds innbyggere har nytt godt av, og som også omfatter Vestfolds innbyggere når det gjelder brann. Det er viktig å signalisere, fordi prosjektet i Drammen har vært et nasjonalt foregangsprosjekt med særdeles gode resultater og med mye produksjon av god trygghet. Statsråden var inne på det; politikk er

Vi har nettopp hatt en budsjettdebatt hvor jeg fortalte om den smule nedturen vi følte i Drammen da vi ikke fikk penger til Drammen tinghus. Når det gjelder valg av hovedsete for nytt Sør-Øst politidistrikt, ble det nok en nedtur for Buskeruds hovedstad. Vi har argumentert tungt og hardt for lokalisering til Drammen tidligere. Lokallagslederen i Politiforbundet i Nordre og Søndre Buskerud har gjort likeså. Sånn ble det altså ikke selv om Politidirektoratet i den første runden anbefalte Drammen. Det ble ikke samme nedtur for statsråden, går jeg ut fra. Men argumentene de hovedtillitsvalgte i politiet i vårt distrikt framførte, var mange og tunge. Jeg skal bare nevne ett av dem her og nå, og det var det som representanten Werp var inne på: Som eneste sted i landet har altså Drammen allerede nærmere seks års erfaring med en felles sentral for nødetatene, som skal bli et viktig element i de nye politidistriktene. Vi ligger i tillegg nær Oslo og kan lett bli reservesentral for Oslo. Det har vært med på å høyne beredskapen i det sentrale østlandsområdet, og det er viktig nå når det nye hovedsetet ikke blir Drammen, at vi ikke kaster den tryggheten, kompetansen og de pengene som har vært investert, ut av vinduet. For det er ikke befolkninga i det nye, store politidistriktet tjent med overhodet, enten vi bor i nærheten av Skien, Tønsberg eller Drammen. Jeg har for så vidt tidligere kritisert Høyres justispolitiske talsperson Anders for å uttale seg litt vagt om denne viktige saken før beslutninga falt. Den debatten kan vi ta videre i lokale medier. Her har jeg tenkt å signalisere at jeg er helt enig i det Anders B. Werp sier. Det er viktig at den kompetansen og det miljøet som er bygd opp, ikke går i oppløsning og må bygges opp på nytt. Det er svært gode resultater av den samlokaliseringa, som Werp gjorde rede for. Alle vet hvor alle er til enhver tid, stiller opp for hverandre, stiller opp for befolkninga. Det gir god responstid, og det har gitt bedre og bedre resultater etter hvert som en har fått samarbeidet til å gå bedre og bedre. Det bør befolkninga i det nye sammenslåtte Sør-Øst politidistrikt også få lov til å nyte godt

så er det altså noen som skal ha navn etter himmelretninger, og der må jeg si jeg får problemer. Når man skal kalle et politidistrikt for politidistrikt Øst, så er det altså noen som skal ha navn etter himmelretninger, og der må jeg si jeg får problemer. Når man skal kalle et politidistrikt for politidistrikt Øst, må jeg virkelig spørre hva det betyr, og særlig når det er fire–fem andre politidistrikter som dekker områder i landet som ligger lenger øst enn politidistrikt Øst. Dette

og jeg vil til og med si ganske fremmedgjørende. Politidistrikt Øst er en sammenslåing av politidistriktene Romerike, Follo og Østfold. Det er en geografisk enhet som vi første gang fikk se i 1969, da vi fikk det nye bispedømmet Borg bispedømme – altså Østfold fylke og Akershus fylke unntatt kommunene Asker og Bærum. Da har vi en geografisk enhet som vi har navnet Borg på, og derfor har jeg tillatt meg å foreslå at politidistriktet bør hete Borg politidistrikt. Det sier noe. Det sier iallfall langt mer enn å kalle et politidistrikt etter en bestemt himmelretning. Navnet har avstedkommet mange henvendelser fra folk i politiet. politiet. Jeg skjønner at spørsmålet om navnene på politidistriktene også engasjerer i politiet. Så det er rett og slett en meget vennlig henstilling til justisministeren om at han og departementet og Politidirektoratet kan se på navnene på nytt. Politidistrikt Øst bør bli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

for lengst innhentet av at 161 av 169 representanter i Stortinget har inngått et forlik for en tid siden om 18 innstrammingspunkter. Flyktningkrisen er internasjonal, og den må først og fremst løses i samarbeid med andre. Det er viktig å løfte blikket i denne saken, og nasjon må bidra til en fredelig løsning utenfor vårt land, i Syria, og også styrke den humanitære innsatsen i nærområdene til flere konflikter. Det høye antallet flyktninger og asylsøkere stiller Europa og Norge på en prøve. Norge skal oppfylle sine forpliktelser etter internasjonale konvensjoner. En generell effektivisering og forenkling av regelverk og praksis for behandling av asylsøknader må ikke svekke asylsøkernes rettssikkerhet. Det var også noe av det grunnlaget som ligger i forliket, med disse 18 innstrammingspunktene som det er inngått avtale om. Europa opplever nå en historisk stor tilstrømming av flyktninger og migranter. Også pågangen av personer som søker asyl i Norge, har økt kraftig de siste månedene. Norge mottok flere asylsøkere i oktober alene enn i de første åtte månedene i 2015, og per 31. oktober i år hadde det kommet ca. 22 000 asylsøkere totalt, dvs. over 12 000 flere enn på samme tidspunkt i fjor. De siste ukene har det kommet mange over Storskog i Øst-Finnmark, og manglende mottakskapasitet – særlig i Nord-Norge – er og har vært en stor utfordring. Per i dag er situasjonen ved Storskog en annen. Det har gått fra å komme mange til å komme nesten null – og mange ganger null. Slik situasjonen tidligere i høst har vært, og slik den er, i Finnmark, med høye ankomster av asylsøkere over Storskog-grensen, arbeides det med å sikre innkvartering i de grensenære områdene, slik at det er tilrettelagt for en rask og minst mulig ressurskrevende prosess i de tilfellene hvor det er stor sannsynlighet for at resultatet vil bli bortvisning – tilbake til Russland. Allerede 19. november i år ble det inngått en tverrpolitisk avtale med innstrammingstiltak for å begrense tilstrømming av dem som ikke har et reelt behov for beskyttelse. 161 av 169 stortingsrepresentanter står bak denne avtalen. Flertallet i salen og avtalepartene er enige om å gi politisk støtte til iverksettelse av umiddelbare tiltak for nettopp å begrense ankomst av mennesker uten rett til beskyttelse, og om å fortsette samtaler om tiltak for å møte kommunenes situasjon med hensyn til mottak og bosetting – som kommunene særlig utfordres på – og på den måten også forberede en god integrering av personer med rett til opphold. Det har vært viktig å sikre retur av personer med åpenbart personer som har fått avslag på søknaden, og å gi dette arbeidet høyeste prioritet. Det har regjeringen gjort. I tillegg har det vært viktig å sikre fasilitetene ved Storskog og i Kirkenes. Det skal sikres og har blitt sikret tilstrekkelige ressurser for å iverksette retur av personer som ikke har rett til opphold i Norge. Det er bra at regjeringen har sikret at både Utlendingsdirektoratet og Politiets utlendingsenhet har fått anledning til å overskride budsjettene, med en såkalt overslagsbevilgning. Det er nødvendig og viktig at UDI både avlastes og styrkes ved at det hentes inn nødvendig og kompetent personell – jurister og annet nøkkelpersonell – fra andre offentlige etater. Fra den inngåtte avtalen, asylforliket, er det grunn til å påpeke at det er enighet om at det opprettes en ordning med til de viktigste avsenderlandene for å sikre rask retur av asylsøkere uten reelt beskyttelsesbehov. Avtalepartene inngikk denne avtalen 19. november i år, og jeg tror at de fleste i salen er godt innforstått med den. I slutten av november var minst 40 tjenestepersoner fra Politiets utlendingsenhet på plass i Kirkenes for å håndtere ankomstene i Sør-Varanger, og det var 150 personer i UDI som arbeidet med å behandle asylsøknader. Det er grunn til å berømme at nettopp sakene og håndteringen på Storskog har blitt prioritert og løpende behandlet, og at det slik sett også har gitt resultater.
Da er igjen neste

da denne saken skulle avgis i komiteen. Derfor er det behov for å gjøre noen presiseringer fra Arbeiderpartiets side. Men det må være lov å si at jeg nok er litt overrasket over flertallets prinsipprytteri på formalia. Situasjonen på asylfeltet er krevende. Det fordrer etter vår mening et bredest mulig politisk samarbeid og fleksibilitet. Fra Arbeiderpartiets side har det vært viktig å sørge for at regjeringen har nødvendige fullmakter fra Stortinget for å kunne håndtere situasjonen. Derfor bidro vi også til at endringen i utlendingsloven kunne hurtigbehandles her i Stortinget i høst. Jeg registrerer nå at rausheten ikke er helt gjensidig. Så til saken. I innstillingen er det henvisning til asylavtalen som ble inngått 19. november. Komiteens bruk av ordet «allerede» indikerer at det var tidlig, og det var det ikke. ikke. Arbeiderpartiet stiller seg ikke bak bruken av ordet «allerede», rett og slett fordi den avtalen kunne vært inngått tidligere dersom Fremskrittspartiet ikke hadde brukt dyrebar tid på interne avklaringer og seminarer. Det er dessuten slik at en rekke av punktene i asylavtalen er punkter der regjeringen allerede hadde eller har fullmakter til å handle, noe de både kunne og burde ha gjort på et tidligere tidspunkt enn 19. november. november. Det handler ikke minst om nødvendige ressurser i form av saksbehandlere og politi som burde vært på plass, som sagt, langt tidligere. Arbeiderpartiet skal også stå som medforslagsstiller sammen med Senterpartiet i forslaget om å forsere arbeidet med bygging av ny grensestasjon på Storskog. Det påligger regjeringen et stort ansvar for å skjære igjennom, avklare at ny grensestasjon skal bygges, sette frist for å planlegge ferdig og sikre oppstart av byggeprosjektet i 2016. Høstens akutte situasjon med stor tilstrømming av asylsøkere har jo nesten flombelyst behovet for et nytt bygg, og i tillegg har situasjonen vist en regjering som gjennomgående har vært på etterskudd med nødvendige tiltak og ressurser.

tidligere i høst lese følgende i Dagbladet: «Vi kan ta imot de flyktningene som kommer, og heller droppe lønnsøkning ett år.» Dette er et sitat fra Senterpartiets representant Per Olaf Lundteigen. I avisoppslaget sto det: «Senterpartiets Per Olaf Lundteigen dro forrige uke til Hellas sammen med et knippe politiske rådgivere, for å få en bedre forståelse av flyktningsituasjonen. Lørdag besøkte han øya Lesbos, for å se flyktningkrisen på nært hold.» Etter å ha sett denne flyktningkrisen på nært hold kom han fram til dette: «Senterpartiet har ikke vært tydelige nok hittil. Det er derfor jeg reiste ned, slik at vi kan forstå situasjonen bedre.» Etter at han forsto denne situasjonen bedre, kom han fram til følgende: «Overfor Drammens Tidende sier han at Norge må være forberedt på å ta imot så mange som 100 000 flyktninger. «Det er ikke sikkert det er urealistisk at 100 000 flyktninger kommer til Norge. Da har vi ikke noe valg. Vi må ta imot de som kommer», sier han til Drammens Tidende. Så siterer jeg ham igjen: «Jeg har ingen formening om hvor mange som vil komme, eller hvor lenge denne situasjonen vil vare. Det avhenger fullstendig av hvordan det internasjonale samfunnet svarer.» «Vi har ikke noe annet valg enn å ta dem imot, for det er ikke et alternativ å stenge grensa.» Det å stenge grensene var helt utenkelig for Senterpartiet litt tidligere i høst. Siden har de tatt til orde for å stenge grensene flere ganger, og de har vært med på å fremme dette forslaget. Det kunne vært interessant å høre hva som er Senterpartiets politikk i dag i alle fall,

Vi har vært vitne til at Arbeiderpartiets leder Jonas Gahr Støre opptil flere ganger har vært for og imot å forby bruk av burka i det offentlige rom, fram til vi fremmet et konkret forslag. Vi har bare i løpet av den siste uken vært vitne til at Arbeiderpartiets nestleder har klart å vingle seg fram fra å ønske hijabforbud i barneskolen til å ønske å bekjempe høye hæler og seksualisering av barn. Sjelden har vel en partinestleder blitt høvlet så hardt og brutalt ned av egne partifeller og kolleger over det ganske land. Dette har kjennetegnet Arbeiderpartiet i alle disse spørsmålene. Det er kanskje den viktigste årsaken til at de heller ikke da de satt i regjering, fikk til all verden på dette feltet. Det er jo et kontinuerlig seminar. Noen går ut og er litt harde og skal rydde opp og ordne opp i problemene, men så får de lite grann motstand, eller så kommer det konkrete forslag i henhold til det de selv har sagt, og idet de får muligheter til å gjennomføre ting, snur de om. Det er klart at dette har åpenbart påvirket tidligere samarbeidspartner Senterpartiet. Ettersom denne problemstillingen er løst,

eller om vi skal stramme inn og gjøre noe med de enorme utfordringene massiv innvandring og migrasjon til Norge fører til.

Tiltakene må imidlertid ikke svekke den enkelte asylsøkers rettssikkerhet eller krav på verdig behandling. For å få ned antallet asylsøkere uten beskyttelsesbehov har flertallet på Stortinget denne høsten nylig blitt enige om et forlik med punkter som skal sikre asylinstituttet. Antallet har gått ned de siste ukene, og årsaken til det er sammensatt – kaldere årstid, russiske tiltak, svensk politikk og norsk politikk.

da kan samfunnet prioritere dem som skal få bli. Det er også viktig for å bevare ordningen med asylinstituttet. Raskere retur og kortere saksbehandlingstid krever en generell effektivisering og forenkling av regelverk og praksis. Kristelig Folkeparti mener det er viktig å gjøre dette nå, men vil vektlegge at endringer som gjøres, ikke skal svekke rettssikkerheten til asylsøkerne. dette nå, men vil vektlegge at endringer som gjøres, ikke skal svekke rettssikkerheten til asylsøkerne. Dette er en forutsetning fra vår side for alle innstramminger som er gjort i høst. Kristelig Folkeparti har de siste ukene mottatt flere bekymringsmeldinger om at den nye praksisen ved Storskog kan være i strid med Norges folkerettslige forpliktelser. For Kristelig Folkeparti er det viktig at vårt regelverk ivaretar de personene som har et reelt behov. Endringer er gjort Vi tok derfor forbehold i vår støtte til Prop. 16 L om at dette ikke skulle ramme mennesker som bruker Russland som fluktrute og f.eks. bare har et turistvisum i landet. Folkeretten slår fast at ingen kan sendes tilbake til et land hvor de risikerer forfølgelse eller å bli sendt til et tredjeland hvor de risikerer å bli sendt tilbake til forfølgelse. Menneskerettighetsdomstolen har slått fast at dette prinsippet er en absolutt regel uten unntak.

Når regjeringen i tillegg har gitt instruks om at denne gruppen mister retten til advokatbistand, er det grunn til å følge denne situasjonen framover. I forliket av 19. november har et bredt flertall på Stortinget slått fast at endringer i regelverk og praksis ikke skal svekke asylsøkernes rettssikkerhet. Dette er avgjørende. Vi kan ikke som rik rettsstat akseptere at Norge bryter våre internasjonale forpliktelser og egne prinsipp om verdighet og medmenneskelighet, selv om det er en ekstraordinær situasjon. Kristelig Folkeparti ser fram til et videre konstruktivt samarbeid med regjeringen, nå med ny statsråd. Kristelig Folkeparti er glad for, og støtter, de nye målsettingene som ligger til grunn i det brede forliket som Norge nå skal praktisere. Den nye flyktningsituasjonen er krevende, Kristelig Folkeparti vil fortsatt bidra til at Norge fører en rettferdig, forutsigbar og human politikk basert på den enigheten som nå er oppnådd.

men samtidig må det sies at det tok lang tid før ansvarlige myndigheter, både politiske og administrative, gikk inn i situasjonen. Sør-Varanger kommune ble stående uten den støtten som må forventes når akutte situasjoner oppstår. Det er dette som er bakgrunnen for representantforslaget som jeg har fremmet sammen med Marit Arnstad og Trygve Slagsvold Vedum. Vi la fram åtte forslag til strakstiltak for å håndtere den sterkt økende asyltilstrømmingen over Storskog. Senterpartiet tok i høst også initiativ til et bredt politisk forlik for å møte flyktningkrisen. Jeg er glad for at et bredt flertall av partiene satte seg ned og arbeidet fram en serie tiltak som vil bidra til å møte situasjonen på en samordnet måte. Flere av forslagene som vi framsatte i representantforslaget, er ivaretatt gjennom disse tiltakene. Det er vi glade for, og har derfor ikke behov for å ta dem opp på nytt. To av forslagene våre var å styrke dialogen og samarbeidet med Russland og å sørge for at avtalen om tilbaketaking fra 2007 kommer til anvendelse for personer som ikke har rett til opphold i Norge. Statsråden henviser i svaret til uttalelser fra Utenriksdepartementet der det vises til at dialogen er etablert, og at regjeringen benytter de muligheter til retur som ligger i avtaleverket. Jeg har registrert at situasjonen har endret seg, og at det nå kommer langt færre over Jeg er glad for at regjeringen endelig har reagert og til slutt oppnådd at situasjonen er endret. Spørsmålet er om det kunne vært gjort mye tidligere. Jeg vil også kommentere statsrådens unnvikende svar på vårt forslag 4, om å stille ekstra midler til rådighet for Sør-Varanger for å sette kommunen i stand til å håndtere den ekstraordinære situasjonen knyttet til asylsøkere. Jeg registrerer at regjeringen har penger til overs i slutten av året. Julegaven på 2 mill. kr til kommuner hvis eneste bragd er at de har vedtatt kommunesammenslåing tyder på det. Jeg forventer at regjeringen er minst like raus med kommuner som har gjort en ekstra innsats i håndteringen av flyktningkrisen, og som har hatt ekstra utgifter i den forbindelse. Jeg håper de blir tilgodesett med en julegave som står i forhold til Statsråden viser til skjønnsmiddelrammen og antar det er mulig å gi noe kompensasjon til kommuner som har helt ekstraordinære utgifter som følge av asyl- og flyktningsituasjonen. Det er ikke på langt nær nok. Jeg hadde håpet på en mer positiv holdning, men registrerer jo at regjeringen i sine forslag til tilleggsbevilgninger for å møte flyktningkrisen har vært lite villige til å dekke kommunenes kostnader. Dette er svært uheldig. På den ene siden advarer representanter for regjeringspartiene om at stor tilstrømming av flyktninger vil gå ut over velferdstilbudet til andre innbyggere. På den andre siden lar de være å tilføre kommunen nok ressurser for å unngå nettopp dette. Dette må regjeringen nå rette opp i, etter at et stort flertall på Stortinget i går kom til enighet om et integreringsforlik. Der har Senterpartiet heldigvis fått gjennomslag for at alle utgifter kommunene har i forbindelse med bosetting og i forbindelse med vertskommunerollen for mottak, skal fullfinansieres. I Senterpartiets budsjettopplegg har vi funnet rom for å kompensere kommunene. Det gjelder alle kommuner som har fått etablert asylmottak og akuttmottak, og i tillegg særlige midler til Råde og Sør-Varanger, som er vertskap for

Når det gjelder Keshvaris utfordringer, ser jeg at representanten Lundteigen er i salen, og jeg regner med at han vil svare på dem

fra, hele veien fram til det integreringsarbeidet som vi har i Norge. Denne politikken må henge sammen, og den må være en del av en helhet. Den må føres i samarbeid med et internasjonalt samfunn for å få fram en situasjon i opprinnelseslandene som gjør at deres regjeringer blir bedre i stand til å beskytte sin egen befolkning ‒ enten det er i Afghanistan, Irak eller andre steder. Eller man kan bidra til en fredsprosess eller være med på den felles innsatsen som allierte må gjøre for faktisk å nedkjempe grupperinger som er en direkte trussel mot både oss og andre samfunn. Når vi ser på Storskog og flyktningsituasjonen, er dette en del av en felles europeisk utfordring. Vi har hatt en helt spesiell situasjon nå i år med en stor og sterk tilstrømning av flyktninger. Med den situasjonen vi har hatt på Schengens yttergrense som jo Storskog er en del av‒ var det helt nødvendig å foreta innstramninger. Vi kan ikke ha en situasjon der man har så åpne grenser i Schengens yttergrense at det truer de visumfrie reisemulighetene og den frie bevegelsesretten vi har innenfor Schengen. For Venstre er det reisemulighetene og den frie bevegelsesretten vi har innenfor Schengen. For Venstre er det ekstremt viktig at vi opprettholder de frie grensene i Europa. Schengens yttergrense må man få kontroll på, og vi må ta vårt ansvar ved Storskog. Vi står bak den brede enigheten som har utviklet seg i i Stortinget. Det gjelder både arbeidet for å få akuttiltak og forsøket på å lage en bredere enighet når det gjelder flyktningsituasjonen og den integreringsjobben som vi får i etterkant, siden mange av dem som har kommet, tross alt kommer til å bli værende her, med den enigheten vi har fra i går. Når man strammer inn ‒ uten å gå i detaljer ‒ er det helt avgjørende, og alle er enige om, at grunnløse asylsøkere får sine saker raskt behandlet. De skal også raskt ut av landet. Det er grunnleggende for å beskytte selve asylinstituttet. Faren med dette er at man kan gå for langt. Det vil være personer som faktisk trenger den beskyttelsen, som ikke vil få sine saker godt nok behandlet. Det tilligger regjeringen et særlig ansvar å påse at de som faktisk har et beskyttelsesbehov, får den nødvendige beskyttelsen, og at alle som er berettiget til det, får den nødvendige saksbehandlingen i Norge. Ellers undergraver man også den enigheten vi har, om at de med ubegrunnede søknader raskt må men det gjør virkelig inntrykk når vi leser i Aftenposten om disse to tsjetsjenerne som har vært i Norge, fått sine saker behandlet og likevel ender opp i Tsjetsjenia, torturert og drept. Slike situasjoner må vi påse at vi at vi ikke ender opp i ‒ at vi strammer inn for langt i den situasjonen vi er i. Den brede enigheten er viktig. Jeg synes Stortinget har gjort en veldig god jobb i løpet av denne høsten, men vi er fortsatt i en tidlig fase av en ny situasjon. Vi kommer ikke tilbake til den gamle normalen. normalen. Vi må da sørge for at vi klarer å få til denne balanseringen godt i årene framover. Når det gjelder integreringsenigheten fra i går, er det helt grunnleggende at vi klarer den utfordringen som samfunn. For Venstre har det vært spesielt viktig med situasjonen for barn på flukt, og vi er også veldig glade for at barnehagetilbudet for barn i mottak blir styrket i forbindelse med den avtalen.
Neste taler er
Det er på

det skjønner jeg var vanskelig å forutse. Men man kunne også ha handlet tidligere der, og det som har bekymret SV mest, er at i det kaoset som oppsto, har det politiske flertallet latt seg presse til uforsvarlig lovbehandling, over en helg, på punkter som nettopp berører det alvoret som representanten Elvestuen var oppe her og snakket om – Tsjetsjenia er en del av Russland. organisasjoner sier at Norge nå bedriver folkerettsbrudd på Storskog. Det er alvorlig, og det er fordi man i praksis nå totalt har avskåret muligheten til å søke asyl der. Man sender folk tilbake igjen til Russland som ikke har opphold i Russland, og da kan man ende opp med å bli sendt videre til et land der man ikke har noen mulighet til å få asylbehandling noe sted, eller til et land der man risikerer å bli utsatt for grove menneskerettighetsbrudd. Det som på fagspråket kalles «non refoulement», er ikke ivaretatt. er ikke ivaretatt. Hele grunnen til at SV ikke kunne være med på den loven, er nettopp den kritikken som nå har kommet mot dette. Så det er alvorlig. Det andre som er alvorlig, er at SV i fjor høst tok opp at vi må løse dette i en internasjonal sammenheng sammen med avtalepartnere i Dublin og Jeg har spurt regjeringen: Hvilke initiativ har regjeringen tatt for å løse dette i internasjonale organisasjoner? Jeg har fått til svar at det står i Erna Solbergs redegjørelse. Jeg har lest igjennom den, og jeg finner ikke et eneste initiativ, bare at man følger opp noen av de initiativene som andre tar. Dette er kritikkverdig, og det er alvorlig. Jeg hører jo på tonen her mellom avtalepartnerne også at det ikke bare er idyll, og jeg håper inderlig at for de partiene som nå snakker om at vi skal følge folkeretten, handler det ikke om hva som står i en avtaletekst, men om hva som skal skje på bakken i praksis i behandlingen av de asylsøknadene som blir levert og man må få levert. Til alt overmål har man nå også fjernet dekningen av advokatbistand til noen av disse som kommer over Storskog. Da har man ikke kjangs, sjøl om man kanskje har beskyttelsesbehov.

unger og barnefamilier sjøl om de har prøvd å søke asyl i Norge og de kanskje ikke har beskyttelsesbehov. Det må jeg si er forferdelig. Det er skremmende, og det kan også være alvorlig. Det andre er et spørsmål om det har vært tatt initiativ overfor norske myndigheter fra russiske myndigheter. Det er grenseinspektører på Storskog som sier at det har vært gjort før. Jeg har spurt justisminister Anundsen om det Jeg har spurt justisminister Anundsen om det to ganger og fått til svar at nå har vi hyggelige samtaler med Russland, men det er jo ikke det jeg har spurt om. Jeg har spurt: Hvilke initiativ har blitt tatt før? Har det blitt tatt slike initiativ? For disse grenseinspektørene, som står fram med navn, sier at de initiativene kunne ha løst denne situasjonen før, og det er ganske alvorlig. Jeg ser at Anundsen nå rister på hodet, men da kunne han ha svart i svaret til meg. meg. Nå har jeg sendt et spørsmål til, så han har sjansen til å svare på hva som har skjedd før, altså ikke hva som har skjedd nå, men de initiativene som ble tatt for flere år siden. Det kan godt hende at de initiativene til og med ble tatt under den rød-grønne regjeringen, men hvordan har de blitt fulgt opp? Det er veldig viktig å få vite om det der kunne ligget en løsning som kunne ha gjort at mange kunne ha sluppet denne forferdelige situasjonen som har oppstått der.
Neste taler er statsråd

Ettersom ankomstene for øyeblikket ser ut til å ha stoppet opp over den norsk-russiske grensen, er vårt hovedfokus nå å håndtere sakene i henhold til de nye bestemmelsene i utlendingsloven og få returnert så mange som mulig av dem som kom over Storskog. Regjeringen har instruert Utlendingsdirektoratet og Politidirektoratet om å prioritere behandling av disse sakene og sørge for at de uten rett til opphold i Norge returneres så raskt som mulig. Ved utløpet av uke 50 har vi returnert totalt 7 279 personer uten lovlig opphold. Per 15. desember var om lag 160 returnert over Storskog etter at endringen i utlendingsloven og instruksen for UDI, UNE og POD trådte i kraft. Tallene må tas med et forbehold om eventuelle feilregistreringer. Det er viktig at returer gjennomføres så kostnads- og ressurseffektivt som mulig. Regjeringen har vurdert ulike tiltak, herunder luftbro fra Øst-Finnmark til ulike opprinnelsesland. Dette er også et av tiltakene som fremmes i representantforslaget. Langdistanseflygninger er etter det jeg har fått opplyst, ikke mulig fra Øst-Finnmark, ettersom ingen av flyplassene i regionen er tilrettelagt for det. Vi jobber imidlertid kontinuerlig for å strømlinjeforme returarbeidet, og på nåværende tidspunkt er det mest hensiktsmessig at de fleste av dem som skal returneres til hjemlandet, returneres fra Oslo Lufthavn. Mange asylsøkere som kom over Storskog, skal returneres til Russland. Dette er en prioritert oppgave for politiet. Disse returene må gjennomføres i dialog med russiske myndigheter innenfor rammene av tilbaketakelsesavtalen. Det at vi nå prioriterer arbeidet med retur, betyr ikke at søknadene fra dem som kan bli innvilget opphold i Norge, ikke skal behandles. Jeg understreker imidlertid at asylforliket legger føringer for prioritering av asylsakene, og det følger av avtalen om tiltak for å møte flyktningkrisen at retur skal gis høyeste prioritet. I tillegg er det min bestemte mening at et aktivt returarbeid begrenser ankomsten av flere grunnløse asylsøkere og setter oss bedre i stand til heller å bruke ressurser på personer som skal ha framtiden sin i Norge. La meg avslutningsvis få oppsummere noen av tiltakene vi har iverksatt for å møte utfordringene på Storskog. Allerede 11. september 2015 besluttet vi på bakgrunn av de økende asylankomstene ved Storskog å etablere et ankomstregime i Sør-Varanger kommune. Fire dager senere etablerte Politiets utlendingsenhet et team i Kirkenes som foretok registrering av søkerne. Dette er fulgt opp med flere tiltak, herunder tilleggsbevilgninger for kraftig oppbemanning av PU, Øst-Finnmark politidistrikt og UDI. 13. november fremmet vi forslag om innstramming av utlendingsloven. Disse trådte i kraft allerede 20. november, og jeg vil i den forbindelse gi honnør til Stortinget for usedvanlig rask behandling av proposisjonen. Fem dager senere, 25. november trådte instrukser til politiet, UDI og UNE i kraft om rutiner for rask behandling og retur av personer som ikke har eller vil få oppholdstillatelse i Norge. Videre har vi skjerpet territorialkontrollen i grensenære områder, innført midlertidig indre grensekontroll, etablert ankomstsenter både i Øst-Finnmark og og etablert noen særskilte tilrettelagte innkvarteringsplasser nær Storskog. Vi har også gått i dialog med sentrale russiske myndigheter samt intensivert dialogen på lokalt nivå for å finne felles løsninger på asyltilstrømmingen i nord og retur av personer som ikke har et beskyttelsesbehov i Norge. Dette arbeidet pågår nå kontinuerlig, og dialogen med russiske myndigheter er god. Regjeringen vil fortsette å jobbe for at tiltakene i avtalen gjennomføres, og at asyltilstrømmingen håndteres på en god og rettssikker måte. Til slutt håper jeg at Stortinget kan tilgi at jeg kom noe sent. Det er nok lenger fra Nydalen enn fra Teatergata. Det merker vi oss, og det vil sikkert statsråden også ta til etterretning for fremtiden. Det blir replikkordskifte. Ja, for min del skal hun få den slakken. Jeg vil ønske statsråden velkommen til Stortinget som ny innvandrings- og Ja, for min del skal hun få den slakken. Jeg vil ønske statsråden velkommen til Stortinget som ny innvandrings- og integreringsminister – gratulerer med utnevnelsen. Jeg hørte med interesse på det statsråden sa, og på hvor stor vekt man nå legger på raske returer, et strømlinjeformet returarbeid. Det er vi enige om er viktig. Men jeg kunne tenke meg å høre med ministeren, som også har «integrering» i sin tittel: Bosetting av flyktninger, som også har kommet inn over Storskog, blir en viktig oppgave i månedene og årene som kommer. Det skal bosettes et stort antall mennesker ute i kommunene, og statsministeren oppfordrer til dugnad for at vi skal lykkes. I går landet altså

Andre ting vil det være naturlig at vi går igjennom i forbindelse med integreringsmeldingen som skal legges fram til våren. Så tenker jeg at én av de viktige tingene som skal gjennomgås, er introduksjonsordningen, for å se om den fungerer optimalt, eller om vi skal legge den opp på en annen måte. Jeg mener det er utrolig viktig for bærekraften i det norske samfunnet at vi prøver å integrere folk raskere, sørger for at de lærer norsk, kommer i jobb og kan bidra til fellesskapet i stedet for å gå på offentlige overføringer. Jeg ser veldig fram til å samarbeide med Stortinget om dette, for det blir svært viktig for hele velferdsmodellen i Norge framover at vi lykkes med dette arbeidet. Vi håper også at det blir et konstruktivt og godt samarbeid for å løse de utfordringene som er der. Jeg takker for svaret. Jeg vil bare følge opp med å spørre ministeren: På hvilken måte ser hun for Jeg takker for svaret. Jeg vil bare følge opp med å spørre ministeren: På hvilken måte ser hun for seg å gå ut til landets kommunestyrerepresentanter, fra alle partier, slik at regjeringens dugnadsoppfordring blir fulgt opp der ute på en god måte? På hvilken måte vil den nye ministeren vise politisk lederskap for bosetting og integrering?

Listhaug med nytt verv og ønske lykke til, og jeg ser fram til et konstruktivt samarbeid. Det er klart at det er forventninger, og jeg ser at mediene allerede har prøvd å framstille henne med klart språk og en kanskje overtydelig ordbruk. Jeg har lyst til å si at ja, retur er vi enig i, innstramminger er vi enig i, og at vi skal stille krav, er vi enig i. Men kanskje noen av oss ønsker å høre at det i samme åndedrag blir snakket om en god integrering, om omsorg for dem som har beskyttelsesbehov og om enslige mindreårige asylsøkere, og at vi får en balanse i det. Så vet vi at finansministeren har vært imot at kommunene skal ta imot for bosetting, så det er nok mye å balansere, men vil man i språkbruken ta inn de begrepene som jeg nevnte? For meg er det svært viktig at vi får til en god integrering, og at mennesker som kommer til Norge med et beskyttelsesbehov og skal være her, skal behandles godt, er selvfølgelig en forutsetning for at vi også skal lykkes med integreringen. Jeg skal nå sette meg grundig inn i mange sider av dette feltet, som jeg selvfølgelig skal komme tilbake til og fronte på en måte som forhåpentligvis representanten Toskedal vil synes er bra. Dette med språkbruken er ganske viktig – hvis målet vårt er å få ned antall asylsøkere som ikke har grunnlag for å være her framover – at vi er litt tydelige,

integreringsforliket. Hovedbudskapet i punktene fra i går er at vi må få til rask bosetting og integrering. Det var også en tydelig presisering av at oppgavene som kommunene påtar seg som vertskommune for både mottak og bosetting av flyktninger, skal fullfinansieres fra statens side: «Det er et overordnet mål for partiene som står bak denne avtalen at presset vi i dag opplever i mottaksstrukturen, ikke får forplante seg og bli en krise for kommunesektoren. Dette forutsetter at kommunene får kompensert utgifter.» Da er mitt spørsmål: Hvorledes har statsråden tenkt å følge opp dette punktet i forliket? Når det gjelder den avtalen som ligger til grunn, gleder jeg meg virkelig til å jobbe videre med den, men også til å se på behovet for andre innstramminger eller punkt som kan være bra for og så skal vi komme tilbake med en integreringsmelding. Vi skal nå gjennomgå kommuneøkonomien. Det er et av punktene i avtalen som det er et bredt forlik bak. Det ser jeg veldig fram til. Det er også sånn at man nå på tampen av året har fordelt 150 mill. kr til kommuner som har hatt store utgifter forbundet med den situasjonen vi har stått i.

deretter

inn og har dårlig integreringspolitikk, det er vi ikke for, men alle de andre punktene er vi for. Flertallet har sagt at de skal holde seg til folkeretten. Etter folkeretten er det krav til oss om at asylsøkere får levert asylsøknad, hvis de har krav på beskyttelse. De endringene som er gjort nå, sier svært mange rettseksperter og store tunge organisasjoner på området, er et folkerettsbrudd fordi man ikke gir asylsøkere mulighet til å få behandlet søknaden sin. Vil statsråden se på dette med friske øyne? De som søker om asyl, får behandlet saken sin innenfor de rammene som Den europeiske menneskerettighetskonvensjon og lovene setter. Det er ingen som er returnert i strid med EMK. Det slår også loven fast. Så er det sånn at dersom man returneres til Russland, er det fordi man har lovlig opphold der, og at det er et trygt land. Hvis det er holdepunkter for at man blir forfulgt i Russland, så blir asylsøkeren behandlet på vanlig måte. Jeg er så blir asylsøkeren behandlet på vanlig måte. Jeg er opptatt av at vi skal følge de reglene og spillereglene som er, og det opplever jeg at man gjør fra myndighetenes side på en god måte, etter det jeg kjenner til. Jeg vil også få lov til å gratulere statsråden med

sterk kontrast til det representanten Keshvari sa, hvor jeg nesten fikk inntrykk av at det muligens hadde gått ham hus forbi at en har fått dette brede forliket når det gjelder både flyktningsituasjonen og integreringen. Spørsmålet til statsråden er – hun skal få bruke julen til å lese seg opp på saksområdet, så jeg skal ikke be henne komme med incentiver om hva hun skal gjøre for bosetting og integrering, som blir det viktigste: Kan statsråden som ny minister, saksområdet, så jeg skal ikke be henne komme med incentiver om hva hun skal gjøre for bosetting og integrering, som blir det viktigste: Kan statsråden som ny minister, fra Fremskrittspartiet, banke fast en gang for alle fra Fremskrittspartiets side at hvis vi i det hele tatt skal klare bosettingen og integreringen, må kommunene bosette, og kommunene må gi flyktningene tak over hodet? Jeg er utrolig glad for at det er et bredt forlik bak den politikken som regjeringen nå skal sette ut i Det er også svært viktig for de signalene som går ut nå, hvis vi skal ha et håp om å få ned antallet som kommer til Norge. Det å bosette er viktig, og jeg var innom det mange ganger i mange intervju i går. Jeg brukte mye tid på å fastslå at hvis vi skal få folk i jobb raskt, hvis vi skal sørge for at de lærer norsk, og at de begynner å yte til samfunnet,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

handlet i grunnen ikke om å være snill eller om manglende raushet eller noe som helst, det handlet om Stortingets forretningsorden. Komiteen hadde altså avgitt innstilling. Vi sendte den til foreleggelse for justis- og utenrikskomiteen og fikk den tilbake. Så oppdaget et mindretall i komiteen at de hadde kommet til å være litt for rause med noen småord som roste regjeringen unødvendig. Dette kalles ikke manglende raushet, det kalles å følge protokoll og å følge forretningsordenen. Det er ikke første gang det skjer, skjer, det skjedde også i den forrige regjeringens tid, og forretningsordenen er på dette punktet ganske klar. Så det handler ikke om manglende raushet, men det handler om å følge det som ligger til grunn i forretningsordenen. Man endrer ikke tekst når man får tilbake noe man har hatt på foreleggelse. Det ville vært å endre det grunnlaget som ville vært å endre det grunnlaget som de som fikk seg dette forelagt, skulle se på. Flertallet i komiteen mener at regjeringen har håndtert flyktningkrisen raskt og effektivt, for etter at ankomsttallene begynte å stige allerede i juni, fremmet regjeringen en tilleggsproposisjon med økte bevilgninger allerede 18. september 2015. Mens noen fortsatt ropte på samtale og dialog, var tiltakene til stede. stede. Siden den gang har det blitt fremmet et tilleggsnummer til statsbudsjettet for 2016 nettopp for å ta høyde for de mange økte ankomstene samt et flyktningforlik i Stortinget om innstramninger i asylpolitikken og endringer i utlendingsloven for å sikre raskere returer og en mer effektiv håndhevelse av situasjonen. I tillegg kommer alle de grepene som har vært helt nødvendige, og som regjeringen har gjort fortløpende, som nye ankomstsentre, kampanjer i sosiale medier, midlertidige grensekontroller og midlertidige endringer i plan- og bygningsloven nettopp for å få en raskere opprettelse av nye mottak. Og – det virker. Nå skal jeg omtale ett spesielt forhold, og det er det som går på våre naboland, fordi vi fordi vi også er under sterk innflytelse av det som skjer der. Det er viktig at regjeringen følger nøye med på hvordan våre naboland til enhver tid håndterer sin nasjonale asylpolitikk. Vi har også merket oss at det er iverksatt ytterligere innstramningstiltak nettopp på det som går på grensekontrollene – ferjeruter til og fra Norge og det europeiske kontinentet – og at

Allerede da Storskog ble en rute for flyktninger, burde man tatt kontakt med russiske myndigheter for å se på hvordan man kunne løse situasjonen i fellesskap. Jeg er glad for at det omsider ble etablert kontakt, men synes det er underlig at det skulle ta så lang tid å kontakte naboen vår. Det er er tydelig at flere har lagt ut på en ferd – noen kanskje med gjeld i bagasjen – uten å leve opp til kriteriene for beskyttelse i Norge. Den gruppen kunne man nådd på et tidligere tidspunkt – gjennom informasjonsarbeid – enn man evnet på et senere tidspunkt.

velkomst og behandling som mulig. Når det er sagt, er verken jeg eller SV betrygget over situasjonen nå. Det at mennesker uten opphold i Russland må snu på grensen, er ikke å ta folks beskyttelsesbehov på alvor. Det er høyst problematisk å avvise folk uten at de får prøvd sin sak, noe tunge aktører og organisasjoner på feltet også har fremmet kritikk mot. mot. Vi vet også at Russland har fått kritikk fordi landet ikke alltid har endret sin praksis etter dom i Den europeiske menneskerettsdomstolen. For Norges del har situasjonen i høst vist at det er nødvendig med en sivil opprustning i nord, og vi har også sett at det haster å få på plass ny grensestasjon ved Storskog. Det er et samarbeid som vi i SV ønsker velkomment. Det er

Hvorfor det? Jo, ikke minst etter det besøket som jeg hadde på Lésvos den 19. september – det er nesten tre måneder siden – hvor jeg ved sjølsyn så hva som skjedde. Denne øya fikk da nærmere 5 000 flyktninger hver dag, og to store ferjer fraktet dem fra havnebyen til Athen, uten særlig kontroll. – hvor jeg ved sjølsyn så hva som skjedde. Denne øya fikk da nærmere 5 000 flyktninger hver dag, og to store ferjer fraktet dem fra havnebyen til Athen, uten særlig kontroll. Når en spurte dem som gikk om bord, svarte de: Vi skal til Tyskland, Sverige eller Norge. En trengte ikke være rakettforsker for å forstå at disse en stund senere ville komme til Norge. Det var bakgrunnen for de rimelig at mange ville komme til Norge. Det at regjeringa handlet og sier at det ble handlet raskt og effektivt, kan en sette et stort spørsmålstegn ved, for den utviklinga på Lésvos hadde da pågått en god stund, og sjølsagt var norske myndigheter klar over det. Det ble dermed en diskusjon om grensekontroll i

at norske myndigheter krevde Schengen-visum eller grenseboerbevis for innreise til norsk territorium. Dermed hadde ikke russiske myndigheter hjemmel i eget lovverk til å drive intern grensehandtering på vegne av Norge. Den 7. november endret norske myndigheter teksten i brevet, men endret det likevel ikke til det som russiske myndigheter anbefalte. Den 24. november endret man derimot teksten slik russiske myndigheter hadde anbefalt, og det har gitt resultater. Det er sentralt å ha grensekontroll. Det viser dagens situasjon. Skal vi handtere det på en god måte, må det til. Det skal bli interessant å se om Fremskrittspartiet fortsatt går inn for det grenseløse Europa.

Det begynner å bli kjedelig. Jeg håper representanten Keshvari kan finne nye tekster gjennom julehelgen. Det er slik, enten man liker det eller ikke i Fremskrittspartiet: De har nå finansministeren, som kan være med og bidra til en løsning. De har justisministeren, som kan være med og bidra til løsning. De har også innvandrings- og integreringsstatsråden, som skal være med og bidra til løsning. Det hadde vært mye mer konstruktivt om Keshvari hadde brukt litt av gløden han viser her oppe, til å snakke om de viktige tingene som vi vet vi skal løse sammen: bosetting og integrering. Hører jeg ham snakke med glød om det, med innsikt om det, med formål om å bidra konstruktivt? Nei, jeg hører ikke det. Jeg hører det motsatte, og det begynner å bli litt kjedelig. Jeg håper han kan tenke over det når julen nå kommer.

Jeg har lyst til å skryte av alle etatene som har en eller annen grad av beredskap i seg, for den jobben de har gjort. Jeg har lyst til å skryte av politiet. Jeg har lyst til å skryte av politimesteren i dagens Finnmark politidistrikt. Jeg har lyst til å skryte av min egen regjering, som faktisk har løst hele problematikken vedrørende Storskog før saken er kommet til Stortinget. Jeg vet ikke om det er en dagligdags hendelse. Men det er altså slik at hele sakskomplekset er løst før det blir behandlet av Stortinget. Det står det respekt av. Det viser en regjering som har tatt denne utfordringen på alvor, og det er også en regjering som tar Sør-Varanger kommune på alvor, for det man sier i forhold til det kommunal- og forvaltningskomiteen innstiller på, er at Sør-Varanger kommune skal bli prioritert både i 2015 og i 2016 hva gjelder Fylkesmannens skjønnsmidler. Det har kommunen mottatt med stor takk – jeg tror de satte veldig pris på den anerkjennelsen som Stortinget og regjeringen har gitt dem i så måte. For Sør-Varanger kommune viser dette at det er en kommune som er stolt av et som har kommet nedenfra, og som har eksistert der hele tiden, også under den kalde krigen. Men jeg kan også bli litt overrasket når jeg hører uttalelser fra talerstolen fra enkelte representanter som tror at asylanter som kommer over Storskog, har syklet hele veien for å komme over. Det er ikke slik virkeligheten er. er organisert rutetrafikk fra Moskva til Murmansk. Der blir man hentet med busser og kjørt videre. Så blir man sluppet av ca. to mil før grensen, og så sykler man de siste 20 kilometerne. Det er det som er virkelighetens verden. Når det gjelder antallet som var i Russland som ønsket seg til Norge, snakker vi kanskje ikke om de hundretusener som Lundteigen ønsket seg, vi snakker om kanskje en halv million som ville over. Det er omfanget av problematikken. Jeg vil takke representanten Lundteigen for hans svar. Men det endrer ikke på realiteten når det gjelder hva som har stått, og hva som har vært uttalt. La meg få lov til å referere fra et oppslag på NRK.no fra 4. november 2015: «Strømmen av flyktninger og migranter setter daglig nye rekorder. Tirsdag var det 196 mennesker som kom til Storskog for å be om beskyttelse i Norge. Svaret fra stortingsrepresentant Per Olaf Lundteigen er å langt på vei stenge grensa. Ingen skal få komme inn hvis de ikke har visum.» Det er den typen oppslag som er direkte motstridende i forhold til de tingene Lundteigen har uttalt tidligere, og jeg synes det var greit å få en oppklaring i det. Når det gjelder representanten fra Arbeiderpartiet, skjønner jeg godt at det er kjedelig å få gjentatt fakta om hvordan Arbeiderpartiet har holdt på i denne sal og i mediene i løpet av det året vi har lagt bak oss. Jeg kommer aldri til å slutte å påpeke fakta og ta opp realiteter, realiteter som går på at Arbeiderpartiet sier en ting den ene dagen, sier noe annet den andre dagen, for så å stemme for noe helt annet noen uker etterpå. Det har vært realiteten. Jeg vil minne representanten på innleggene vi har hatt i forbindelse med både budsjett- og trontaledebatt og andre ting, der jeg også har tatt opp positive sider. Men i denne saken har Arbeiderpartiet vinglet fra standpunkt til standpunkt som er helt motstridende. Så synes jeg det er leit at representanten Eirin Sund ikke har fått med seg at jeg også er positiv. Jeg vil gjerne rette opp i det med en gang. Jeg vil også gi honnør til Arbeiderpartiet og alle andre partier, som på område etter område stemmer for fremskrittspartiforslag. Det synes jeg er veldig positivt, det synes jeg er veldig konstruktivt. Jeg synes det er gledelig at Arbeiderpartiet har vært med på å vedta 13 av 15 innstramningsforslag som Fremskrittspartiet har lagt fram. Jeg synes det er veldig positivt at Arbeiderpartiet omsider har begynt å stemme for en integreringsavtale, der vi har hentet ting direkte fra bærekraftutvalget vårt, som i sin tid fikk veldig mye kritikk av Arbeiderpartiet og andre. Så også jeg synes det er positivt at Arbeiderpartiet stemmer for fremskrittspartipolitikk og sørger for innstramninger i denne sal, etter at de kom ganske skjevt ut i begynnelsen av første halvår i år, og har lagt seg på en helt annen linje, der de har hatt et landsmøte som gikk vekk fra å ha en streng, men rettferdig innvandringspolitikk, der de har gått fra å kritisere regjeringen for å uttransportere for raskt, spesielt mennesker til internflukt og andre ting. Jeg vil bare kvittere ut det: Jeg er av nøyaktig samme oppfatning som alle andre som er positive til de inngåtte avtaler. Det er veldig bra. Jeg håper Arbeiderpartiet fortsetter å stemme for god fremskrittspartipolitikk også i årene

fordi det kom mange, og regjeringen la fram et budsjett i oktober som på ingen måte svarte på det som allerede lå der. Regjeringens håndtering av denne vanskelige situasjonen har ikke vært noe særlig pent syn. En har foretatt noen praktiske håndteringer – og det skulle da bare mangle, det er jo det vi har regjeringer til. Det kan ikke være sånn at Stortinget må inn og si at nå må dere flytte noen folk fra UDI og hit, og så må politiet reise dit, og så må man opprette et mottak fordi det kommer mange. Det er regjeringens ansvar å gjøre det, og man har overslagsbevilgninger til å håndtere det. Det skulle bare mangle, men man gjorde det altfor seint. Så må jeg si at jeg også er veldig bekymret for den frie tolkningen av folkeretten som gjøres av denne forsamlingen nå. Dette handler ikke om hvilke forlik som man kan inngå mellom partiene. Folkeretten er et rettsprinsipp som ikke kan tolkes bort i et forlik her. Juridiske eksperter og de store, tunge menneskerettighetsorganisasjonene på området sier at det man gjør nå, bryter med folkeretten. folkeretten. Det er alvorlig, for det innebærer at man ikke sikrer det viktigste i hele asylretten, nemlig retten til å søke asyl. De som søker i Norge, har ikke nødvendigvis opphold i Russland. Det er feil når noen står her og sier at dette gjelder bare dem som har opphold i Russland. Det er ikke noe problem for dem som har det, men det er mange som ikke har det. Og det er veldig mange som ikke får søke asyl i Russland, og når de får søke asyl i Russland, er det heller ikke sikkert at det akkurat er noen god prosess, for Russland blir stadig dømt i Menneskerettighetsdomstolen. Så det er denne lille ventilen. Problemet her er at Stortinget riktignok sier at folkeretten ikke skal brytes, men praksisen en har instruert utlendingsmyndighetene til å bruke, er strengere enn det Stortinget har vedtatt, og det virker også som om praksisen er enda strengere enn det. Da er min henstilling til statsråden at man må ta dette på alvor. Poenget er ikke hva statsråden mener om folkeretten, eller hva jeg mener om folkeretten. Det er hvordan folkeretten faktisk er, og at den faktiske bruken av disse bestemmelsene ikke bryter det vi har lovet, og som er der for å verne folks liv.

og ikke minst i lys av at vi for en liten stund siden inngikk et forlik når det gjelder flyktningarbeidet, der Senterpartiet og Fremskrittspartiet ble enige om politikken framover, sammen med et bredt flertall på Stortinget. Innlegget kunne nesten tyde på at dette har gått representanten Keshvari hus forbi. Senterpartiet vingler,

asylpolitikk, der rettssikkerhet og menneskerettigheter ivaretas. «Senterpartiet vil videreføre hovedlinjene i den nye utlendingsloven som trådte i kraft i 2010», står det i programmet vårt. Senterpartiet har vært tydelig på at vi har vært utålmodige med at regjeringen skulle ta grep når det gjaldt grensekontroll. Vi imøtekom regjeringens anmodning om ekstrabevilgninger i høst – ja vi plusset sågar på. Senterpartiet tok initiativ til et bredt forlik, både fordi vi så at det hastet, og fordi vi så at det manglet initiativ fra regjeringen, men ikke minst fordi vi mener at politikken blir både bedre og mer forutsigbar når det er en bred oppslutning om det her i Stortinget. Mest bemerkelsesverdig er det kanskje at representanten Keshvari kommer fra et parti der en kan se tydelige spor av uenighet, både mellom Fremskrittspartiet i Stortinget og Fremskrittspartiet i regjering og mellom de enkelte statsrådene i regjering. Statsråd Horne oppfordret til mer bosetting, i tråd med statsministerens anmodninger. Finansminister Jensen har oppfordret til å boikotte regjeringens politikk. En skal glatt klare å finne store politikkendringer fra i vår til det forliket som Fremskrittspartiet var med på sammen med oss. Og det skal ikke så mye leting til før en finner enkeltrepresentanter som har helt andre meninger enn det som ligger til grunn for forliket. Men det synes jeg vi nå skal la ligge. Vi i Senterpartiet står inne for det forliket vi har vært med på, og det håper jeg Fremskrittspartiet også gjør.

Det at det kom til å bli et press på Schengens yttergrense på Storskog ved Russland, var mange klar over, men kanskje ikke klar over i hvor stort omfang presset ville bli. Men at det kom til å komme et press også der, var naturlig, for fortvilelsen er så enorm hos de menneskene som flykter. Det så jeg ved sjølsyn da jeg så de båtene, så de så de baderingene som lå på stranda i Lésvos, fra dem som hadde dratt over sundet i gummibåter. Det er ikke unaturlig at en da prøver alle de muligheter som er, og en av mulighetene var altså på Storskog. Men det som er det interessante, er at det var først da Norge den 24. november endret teksten sånn at russiske myndigheter fikk det de hadde anbefalt, var noe av kjernen også i intervjuet allerede tidlig i november. Denne historien må fram til folk for å vise at Fremskrittspartiet i regjering ikke har gjort jobben sin – for å være direkte tilbake. Det må representanten Keshvari snart ta inn over seg. Vi må opprettholde vårt gode forhold til Russland, men der er det vesentlig at vi er etterrettelige på vår side, i vår kontakt og i vår kommunikasjon, og ikke legger mer ansvar på russiske myndigheter enn det som er korrekt. Nå har vi fått en situasjon, et samarbeid og et samspill med russiske myndigheter som viser gode resultater. Det bør alle være glad for. Jeg vet ikke om det er gode resultater. Det bør alle være glad for. Jeg vet ikke om det er helt parlamentarisk, men jeg satt og tenkte da jeg hørte representanten Keshvari at man skal høre mye «løye» før ørene ramler av – og det var rett før mine ramlet av! Er det parlamentarisk? Ja, det er parlamentarisk. Det er et etablert uttrykk i norsk vokabular. Ja, det var rett før ørene mine ramlet av, for dette er ganske spesielt. Man har sittet uke etter uke – alle partier, men til slutt seks partier og forhandlet om flyktning- og asylsituasjonen og på integrering. Samtlige partier som satt i det rommet, med de parlamentariske lederne, har kommet med sine forslag og dokumenter på bordet. For vår del, i Arbeiderpartiet, kjenner vi oss igjen i mange av de punktene som ligger i integreringsdokumentet og i asyldokumentet, det er til og med tatt rett ut fra vårt integreringsdokument, som ble vedtatt på vårt landsmøte. Jeg er sikker på at representanten Toskedal fra Kristelig Folkeparti kan komme opp her og fortelle akkurat det samme. Da er det veldig spesielt at representanten Keshvari prøver å skape et inntrykk av at disse dokumentene, som 161 mennesker i denne salen står bak, mer eller mindre er et produkt fra Fremskrittspartiet. Dette er altså en prosess som har gått over uker, der man har gitt, og der man har tatt. Jeg må si at Jeg må si at jeg synes at representanten Keshvari kan få lov til å ha denne forståelsen, leve i denne villfarelsen, så lenge i hvert fall statsråden fra samme parti var så tydelig på at hun både berømmet prosessen og viljen og evnen til å få fram og få på plass et bredt kompromiss. Jeg vet nesten ikke hva mer jeg skal si.

Neste taler er

Ja, men Fremskrittspartiets 18 punkter er blitt til mellom 60 og 70 punkter, fordi Fremskrittspartiet har måttet gå med på svært mange andre ting som de ellers ikke hadde fremmet. Så man skal flagge når det trengs, og på en måte som står i stil. Det er inngått et bredt forlik, og det er ikke Fremskrittspartiets program som har gjort endringen, det er jo situasjonen i Europa. Det får være grenser for innbilskhet. Stortinget doserer medisin etter behov – ikke etter Fremskrittspartiets program. Det som nå blir vedtatt, skal vurderes, evalueres og tas opp igjen om to år.

ikke vet. Vi vet ikke om det står noen varm bil og venter, eller om det kommer et varmt kjøretøy for å plukke opp dem som sykler over grensen. Vi må forholde oss til det vi vet, og det vi vet, er at folk blir avvist på Storskog. Vi vet at det er på sykkel man krysser grensen mellom Norge og Russland, hvis man ikke kjører, og vi vet at det er barn som blir sendt bort – det vet vi. Og så vet vi noe mer. Vi vet at vinteren i nord kan være så ufattelig bitende kald – det er også noe vi vet. At den er i ferd med å legge seg over landskapet, og at kulden kryper inn, er også noe vi vet. Menneskerettigheter og Flyktningkonvensjonen er etablert for at det skal være noen kjøreregler, for at det skal være noen ordninger for å beskytte dem som er aller mest utsatt, og mennesker som faktisk er på flukt, og som har rett til og krav på beskyttelse. Da er ikke det store spørsmålet hvor langt et barn må sykle, men hva som skjer med barnet idet det vises bort. Representanten Mazyar Keshvari har hatt ordet to ganger tidligere og får ordet til

realitet. Igjen viser det at Fremskrittspartiet er premissleverandøren og innovatøren på dette feltet. Det er når krisen først er en realitet, at de andre innser dette og stemmer for våre innstramningsforslag.

Fremskrittspartiet, var med på her, og som er med på å danne et grunnlag for den argumentasjonen som Keshvari fører. Jeg satt lenge og tenkte på at jeg kanskje ikke burde ta dette med den nye ministeren, men jeg må, rett og slett, fordi han ikke gir seg, og da må vi spørre den nye ministeren: Stiller hun seg bak forståelsen av at den avtalen som alle de andre partiene, inklusiv Høyre, som er deres regjeringspartner, inngikk, var grunnlaget for den situasjonen som ellers oppsto? Det er det som er nøkkelen i Keshvaris argumentasjon. Det er viktig nå for Stortinget å få vite om den nye statsråden stiller seg bak den forståelsen, for det vil være med på å legge premissene for den videre debatten

og de balansepunktene som ligger i de, nå flere, avtalene, både innstrammingene og det som går på grensekontrollen, og også det som går på integrering – og at regjeringen fører en politikk hvor alle partier kjenner seg igjen. Man har en enighet om en innstramming, men det er også helt avgjørende at man har med seg den balansen inn at de som trenger beskyttelse, også skal få beskyttelse. Hvis man ikke klarer å få det til, undergraver man hele innholdet i avtalen, og i stedet for at vi har et samlet storting som faktisk kan vise den storheten at vi tar tak i en vanskelig situasjon og over tid klarer å få kontroll, men også fører en politikk som står seg, får vi en situasjon hvor det fortsatt blir en kamp mellom partier om forståelsen av innholdet i avtaler. Det mener jeg er helt avgjørende at vi unngår. Og hvor sterk denne avtalen er, avgjøres ikke av hvordan situasjonen er nå, det avgjøres av hvordan dette ser ut om et år, om to år, og framover. Det gjelder både situasjonen ved grensen, om de som trenger beskyttelse, faktisk får beskyttelse, og at vi klarer den integreringsjobben som landet står overfor i årene framover.

er den kampen vi har ført for lengeboende asylbarn og engangsløsning. Det er vi stolt av. Ellers vil jeg si til Keshvari at jeg tror innleggene kan virke splittende. Jeg er fornøyd med at vi nå forhandler i et bredt forlik i lag med Fremskrittspartiet ellers. Representanten Karin Andersen har hatt ordet to ganger tidligere og får ordet til en kort merknad,

slik at man sikrer det vi har forpliktet oss til: at folk ikke blir sendt tilbake igjen til den rene død. Jeg vil minne flertallet om at det er mulig å få et flertall sammen med SV i disse sakene. Jeg hører på debatten nå, og jeg ser at her har man overlatt hele dette feltet til Fremskrittspartiet. Som jeg har sagt før: Der er det ikke i trygge hender, for der er det såpass sterke krefter som ønsker å fortolke seg bort fra forpliktelsene i folkeretten, og som ikke ønsker en rask og god integrering, slik som SV har foreslått. Jeg hadde håpet at jeg ikke skulle måtte ta ordet, men da jeg hørte representanten

ikke bare i Arbeiderpartiet, men også i resten av Stortinget, bortsett fra Fremskrittspartiet. Og mediene fulgte opp. I hele valgkampen var det det som var mantraet, nemlig at Norge var et liberalt land med åpne grenser, hvor man ønsket syriske flyktninger velkommen. Det er det ikke noen tvil om. Det er sikkert ikke bare det som er grunnlaget for at det ble flere syriske flyktninger over hele Europa, men det ga et signal utad om at Norge hadde mer åpne grenser enn de hadde før Arbeiderpartiets vedtak – akkurat det mer åpne grenser enn de hadde før Arbeiderpartiets vedtak – akkurat det samme som da Merkel var ute og sa at flyktninger var velkommen til Tyskland. Da kom det flere flyktninger til Tyskland. Det er bare sånn det fungerer, det kan man nesten dokumentere – man kan gå tilbake til det som ble sagt i mediene den gangen. Hele valgkampen var jo preget av at Fremskrittspartiet var ondskapsfulle i regjering, og det var om å gjøre å være mest mulig liberale. Men etter valget endret også journalistene sin omtale av Fremskrittspartiet, og så var det Fremskrittspartiets politikk som ble gjeldende, sånn som representanten Keshvari sa. Det kan man gå tilbake og se, det er det ikke noe vits i å stå her og krangle om. Det er fakta. Så gjelder det dette brede forliket som alle nå er så opptatt av. Det er et bredt forlik på Fremskrittspartiets premisser. Det kan også dokumenteres, gjennom hva vi har foreslått i Stortinget før. Det er heller ikke noen vits i å diskutere det. Vi er glad for at resten av Stortinget, unntatt SV, er med på det. Det er jo bare positivt, da står vi sammen om Fremskrittspartiets politikk på dette feltet, som vi har stått på i alle år. Nå står vi sammen om det. Jeg vet at det kan være bittert, selvfølgelig, men nå har vi fått den erfaringen at i den situasjonen vi står i, er Fremskrittspartiets politikk på dette feltet den eneste politikken som er bærekraftig, og som fungerer. Så kan man tolke avtalen ulikt – eller ikke. Det står svart på hvitt hva den avtalen sier. Vi håper at alle partiene står inne for det, slik at vi får til reelle innstrammingsforslag som gjør at det blir bærekraftig kulturelt, og at vi får en økonomisk bærekraftig innvandringspolitikk. Det må vi satse på alle sammen, og det er ikke noen vits i å stå her og krangle. krangle. Når det gjelder FNs flyktningkonvensjon, som flere, ikke minst representanten Karin Andersen, er opptatt av, står det svart på hvitt at flyktninger som har beskyttelsesbehov, skal reise tilbake når dette beskyttelsesbehovet ikke lenger er til stede. Så kan man si at dette er urealistisk å få til. Ja, kanskje det er urealistisk å få til, men det er det som står der – svart på Så kan man si at sitter man fem år og venter på å bli integrert, er det en håpløs oppgave å sende dem tilbake til Syria. Ja, det er riktig. Derfor er det viktig å få fred og mulighet for å flytte tilbake til Syria raskest mulig. Det er jo derfor alle Vestens land – 66 land – ønsker å ta tak i dette og få ting i orden i Syria, slik at flyktninger kan reise tilbake igjen til Syria, til sitt hjemland, der de bor, der de har vokst opp, og til det landet de er glad i, den kulturen de tilhører, og det språket de snakker. Det må jo være målet for oss alle, ikke at vi tar de beste talentene fra Syria og putter dem inn i Europa og sier at de kan bli ingeniører og alt mulig i Europa, for at vi skal få arbeidskraften. Vi har hatt denne debatten ved flere anledninger her i salen. Det som representanten

Det er i og for seg ikke mitt politiske problem, det er Høyres problem. Og Høyre sitter musestille og lar dem få lov til å undergrave den avtalen som de selv har vært med på, og den politikken som er regjeringas politikk. Det er parlamentarisk meget bemerkelsesverdig. Nå er det fortsatt altså slik at statsråden ikke har bedt om ordet. Jeg vet ikke om hun kommer til å gjøre det. Men hun inngår da i den tradisjonen som vi har sett i disse sakene, også fra statsråd Siv Jensen: sitte stille, se på debatten, se ned eller se bort – ikke delta i det. Hun skal få enda en sjanse. Og det er to statsråder her – det er også en kommunalminister her, som sitter med et ansvar for dette på en meget betydelig måte. Han sitter også og ser ned, stort sett deler av fremskrittspartigruppa her representerer i salen, ikke er gyldig for regjeringa? Så er det slutt. Hvis ikke tar det ikke slutt. Representanten Ola Elvestuen Elvestuen har hatt ordet to ganger tidligere og får ordet til en kort merknad, begrenset til 1 minutt. Det er innholdet i avtalene som er det avgjørende, og vi har mange avtaler. Fra Venstres side står vi også bak den avtalen som vi laget i vår, som går nettopp på kvoteflyktninger. I en helhetlig politikk for Midtøsten er det viktig også å ivareta kvoteflyktninger, nettopp for å ta vekk presset også på de flyktningene som kommer over grensene mot Europa. Men det helt avgjørende igjen er at regjeringen

er situasjonen om ett år, om to år, om tre år – om man framstår som en regjering som hadde kontroll, og klarte å ta tak i en situasjon og lede landet gjennom en periode som faktisk har vært vanskelig, men uten at dette går på bekostning av personer som trenger en nødvendig beskyttelse. Flere har ikke bedt om ordet til sak nr. 10. Etter ønske fra kommunal- og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
I årsmeldinga gjer Sametinget greie for sitt politiske arbeid, dei oppgåvene som Sametinget forvaltar, og ulike økonomiske og administrative utfordringar. 2014 var eit merkeår for Sametinget. Sametinget markerte sitt 25-årsjubileum for Sametinget i plenumssamlinga i oktober 2014. Sametinget markerte òg 200-årsjubileet for Grunnlova i 2014. Sametinget arbeider òg med internasjonale spørsmål. I 2014 var dette konsentrert om prosessen fram mot FN sin verdskonferanse for urfolk, som blei arrangert 22.–23. september 2014 i New York. Norske myndigheiter og dei norske samane sine representantar spelte ei sentral rolle både for at konferansen blei halden, og i forhandlingane om sluttdokumentet frå konferansen. Årsmeldinga peikar òg på at prosedyrane for konsultasjonar mellom statlege myndigheiter og Sametinget er eit av dei viktigaste rammeverka for å sikre samane sin folkerettslege rett til deltaking i saker som angår dei. Eg vil òg vise til at Kommunal- og moderniseringsdepartementet deler Sametinget sitt syn på at gjennomføring av konsultasjonsprosedyrane har styrkt samspelet og samarbeidet mellom statlege myndigheiter og Sametinget.

Utvalet skal levere ein delrapport om struktur og kommunane sine plikter knytte til språkreglane i samelova i februar 2016. Den endelege rapporten vil bli lagd fram i august 2016. Ein del viktige forhandlingar som gjeld samiske interesser, er òg trekte fram i årsmeldinga. Regjeringa vidarefører forhandlingar med Sverige og Finland om ein felles nordisk samekonvensjon. Det er gjennom konsultasjonar semje med Sametinget om eit mandat for forhandlingane. Etter initiativ frå Noreg i 2012 blei det sett i gang forhandlingar for å få på plass ei ny avtale med Finland om fiske i Tanaelva. Målet var å få på plass ei avtale som kunne redusere fiskepresset på laksebestanden i elva frå og med 2015. Etter dei siste forhandlingsmøta i november 2014 blei det klart at ei ny avtale tidlegast kan vere på plass i 2017. Det kan her nemnast at dei norske og finske forhandlarane no er enige om forslag til ei ny avtale. Avtala skal signerast så tidleg som mogleg i 2016 og tre i kraft før fiskesesongen 2017. Avtaleteksten blir ferdigstilt og offentleggjord tidleg i 2016. Kommunereforma er òg eit høgst aktuelt tema i dei samiske områda. I årsmeldinga blir det vist til at Sametinget har fått tildelt 600 000 kr for å hjelpe kommunar i og utanfor samisk forvaltningsområde i kommunereforma, for at samiske språkbrukarar ikkje skal

i 2015 har gjeve Statsbygg i oppdrag å utarbeide forprosjekt for eit nytt, redusert bygg. I komitémerknadane blir det òg vist til ulike konkrete saker frå dei forskjellige partia. Eg reknar med at partia sjølve kommenterer dei. Eit fleirtal i komiteen, med Høgre, Framstegspartiet, Kristeleg Folkeparti og Venstre, viser til partia si budsjettavtale, der det blir vist til at der det blir vist til at arbeidet med prosjekteringa av Saemien Sijte er sett i gang, men ikkje ferdigstilt. Desse partia føreset at regjeringa følgjer framdrifta nøye og informerer Stortinget om framdrifta i revidert nasjonalbudsjett for 2016. Det er verdt å merke seg at dei gamle planane som den førre regjeringa fekk utarbeidd, var kostnadsrekna til mellom 200 og 300 mill. kr. Det blei brukt over utan verken vilje eller evne til å gjennomføre

Sørsamisk språk er klassifisert som alvorlig truet ifølge UNESCO. Det burde gitt et tydelig signal om å forsøke å gi gode rammevilkår for bl.a. sørsamisk språk. Men hva gjør nå regjeringen og støttepartiene? Jo, de kutter altså støtten til sørsamisk språk og legger ned den sørsamiske skolen i Hattfjelldal for å spare 3,3 mill. kr – 3,3 mill. kr hadde det kostet å opprettholde driften. Med et statsbudsjett på ca. 1 300 mrd. kr klarer man altså ikke å prioritere et truet språk. språk. Da handler det ikke om mangel på penger – det handler om mangel på politisk vilje. Selvsagt er det slik at man kunne ha funnet disse pengene til driften hvis man hadde hatt ønske om det. At Fremskrittspartiet synes dette er helt greit, er ingen overraskelse. Fremskrittspartiet har jo uttalt at de har som primærmål å legge ned hele Sametinget. Det har de foreløpig ikke fått flertall for, men de får altså flertall for å kutte i opplæringen i sørsamisk språk – kutte Sameskolen i Hattfjelldal. Det som er overraskende, er at Høyre, Kristelig Folkeparti og Venstre er med på dette Her hadde disse partiene en rekke muligheter til å få på plass disse pengene til den sørsamiske skolen – de gjorde det ikke. Det er underlig og litt vanskelig å forstå at disse partiene på en måte lar seg dra etter hårene i en sånn sak, og deltar i dette kuttet. I går var det demonstrasjon foran Stortinget,

Sametinget velger å skrive dette inn fordi de oppriktig mener at regjeringen ikke følger opp intensjonen i avtalen. Sametinget mener de ikke blir hørt på riktig måte i viktige saker for den samiske befolkningen. Det er ikke bra. Konsultasjonsavtalen var og er ment å være et viktig verktøy, men det forutsetter at regjeringen følger de spillereglene man var enige om, og ikke bare når det passer regjeringen. Samepolitikken blir klart nedprioritert av flertallet, og igjen – det handler om politisk vilje. Det er ikke politisk vilje blant flertallet på Stortinget til å løfte fram Sametinget og de samiske interessene – det ser vi på budsjettene. Arbeiderpartiet har andre forslag i sitt alternative budsjett, hvor det ligger mer midler inne til samiske formål. Jeg registrerer at Sametingets representanter bokstavelig talt er skjøvet ut i I går måtte representanter for Sametinget stå utenfor Stortinget i ca. sju minusgrader og tale sin sak fordi de ikke slipper inn i regjeringskorridorene for å kunne føre konsultasjoner. Nå har i det minste sametingsrepresentantene fått plass i Stortinget – i losjen. Det er jo et framskritt. Vi kan håpe at det er et tegn på at ministeren vil ta dem helt inn i varmen, slik at de får gjennomført de konsultasjonene de er opptatt av, og som de mener det er viktig og riktig at blir

Folkeparti ønsker å sikre åpne prosesser som involverer Sametinget på et tidlig stadium i saker som berører den samiske befolkningen. Jeg setter derfor pris på, og ser fram til, de møtepunkt vi i komiteen har og vil få med Sametinget både i høringer og ellers. Jeg takker samtidig for gjestfrihet og informasjon ved komitébesøk og andre besøk i Sametinget tidligere i år. Det er viktig for Kristelig Folkeparti at samene får utvikle sitt språk, sin kultur og sitt samfunnsliv som et anerkjent urfolk i Norge. Grunnloven § 108 og sameloven er de nasjonale rettsgrunnlagene for samepolitikken. Norge har en rekke folkerettslige plikter som legger føringer for samepolitikken, ikke minst ILO-konvensjonen om urfolk og stammefolk og konvensjonen om sivile og politiske rettigheter.

Et viktig spørsmål er tilpasning av antallet rein til beitegrunnlaget. Ellers kan nevnes arealkonflikter mellom reindrift og gruveindustri, letevirksomhet, kraftselskaper og utbygging av vindmølleparker. Det er utfordringer i skjæringspunktet mellom samiske næringsinteresser, generell næringsutvikling, bruk av naturressurser og arealforvaltning i områder med samisk bosetting. Folkeparti ønsker å styrke samiske interesser i verneområder som berører samisk bosetting. Finnmarkseiendommens legitimitet i befolkningen må sikres, og allmennhetens rettigheter til bruk av utmark skal også ivaretas for framtiden. Sjøsamer og kystfolk må sikres rettigheter til fiske, og kystfiskerne må prioriteres foran havfiskeflåten i de kystnære områdene. Når det gjelder sjølaksefisket, er jeg blitt kjent med egne utfordringer som jeg vil undersøke litt nærmere. Det er ellers viktig å se samiske spørsmål i et nordisk perspektiv. Det er nå forhandlinger mellom Finland, Norge og Sverige om å utvikle en nordisk samekonvensjon. Sametinget og departementene kom våren 20l4 til enighet om mandatet, og for tiden har Sverige formannskapet for forhandlingene. Folkeparti vil støtte felles nordiske ressurser for å styrke de samiske språk. Kristelig Folkeparti mener at Sametinget også må involveres i prosessene rundt andre forhold i nordområdene som er blitt aktualisert. Vi har merket at flere og flere barn i dag vokser opp med en selvsagt samisk identitet. Det var med stor glede jeg fikk oppleve sang og framføring i både barnehage og skole ved besøk i Finnmark. Det samiske har blitt en mye mer synlig del av det offisielle Norge. Mye tyder på at styrking av samiske språk og samiske institusjoner er viktig, og at økt kunnskap om dette motvirker diskriminering, stereotypier og negative holdninger. Kristelig Folkeparti vil at det utvikles oppdaterte læreplaner og vil prøve å bidra til at læremidler foreligger i og på i og på samisk, og at samisk kultur får sin rettmessige plass i kulturskolen. Jeg registrerer ellers, og undres over, at mens klimadelegater jublet i Paris over den nylig inngåtte klimaavtalen, hadde en gruppe samer sammen med artisten Sofia Jannok en markering og mente at dette «dømmer hele urfolkskulturer til døden». Jeg har etter hvert fått innsikt i en spennende samisk kultur, men det er ikke alt jeg forstår. Jeg ser fram til å få en forklaring på akkurat det. Når det gjelder statsbudsjettet, fikk Sametinget i år en økning som kun er prisjustert. Det var synd vi ikke greide å redde den samiske skolen, og jeg håper at den kompetansen og de ressursene som er knyttet til den, blir ivaretatt. Folkeparti viser ellers til budsjettavtalen, hvor det vises til at Saemien Sijte nå er igangsatt, men ikke ferdigstilt. Vi vil komme tilbake til det i revidert nasjonalbudsjett. Ellers er vi særlig fornøyd med at vi fikk gjennomslag for og har sikret 2 mill. kr til de samiske aviser. Det er viktig for språk, kultur og demokrati. Sametinget er

Et annet område hvor Sametinget har ønsket endringer, er konsultasjonsordningen mellom statlige myndigheter og Sametinget. Jeg er glad for at det i årsmeldingen til Sametinget i år gis uttrykk for at etter år med innkjøringsfase og uenighet om fortolkingen av konsultasjonsprosedyrene er det etter hvert blitt etablert en tilfredsstillende praksis med de fleste departementene. Landbruks- og matdepartementet er et unntak, heter det. Jeg forutsetter at den politiske ledelsen i dette departementet merker seg behovet for forbedring, og at Kommunal- og moderniseringsdepartementet, som samordningsdepartement, bidrar til å skape bedre relasjoner. På en del punkter skiller partiene lag i komitéinnstillingens merknader. Ett av dem er utbyggingen av Saemien Sijte på Snåsa. I Sametingets årsmelding vises det til at det er stort behov for et nytt bygg som gir muligheter for å formidle sørsamisk kultur og historie, og som også vil være viktig for satsing på reiseliv og sysselsetting i regionen. Nytt bygg er ikke gitt budsjettprioritet. Kulturdepartementet har i år gitt Statsbygg i oppdrag å utarbeide forprosjekt for et redusert prosjekt i forhold til planene som er lagt.

En nedlegging, slik regjeringen har lagt opp til, vil virke negativt inn på arbeidet for å bevare sørsamisk språk og kultur. Jeg ser at flertallet i undervisningskomiteen også er enig i dette i sine merknader i budsjettinnstillingen. Problemet er at Kristelig Folkeparti og Venstre er enig i sak, men stemmer imot Jeg er særlig forbauset over at Kristelig Folkeparti og Venstre ikke lenger er opptatt av å ivareta sørsamisk, som ifølge UNESCO er kategorisert som et alvorlig truet språk. Næringspolitikken står sentralt i Sametingets arbeid. Bosetting og arealbruk, hvor det tas hensyn til samisk kultur, natur og miljø, danner grunnlaget for livskraftige lokalsamfunn der mennesker ønsker å bo, heter det i årsmeldingen. Primærnæringene, spesielt reindriftsnæringen, sliter. En av utfordringene er at effekten av forebyggende tiltak innen rovdyrforvaltningen har vist seg å være av liten nytte for reindriftsnæringen. Jeg kjenner dette fra mitt eget område. Manglende kontroll med rovdyrstammene er en særlig trussel mot bevaring av sørsamisk reindrift og kultur. I årsmeldingen sies det at Sametinget er misfornøyd med statens rovviltpolitikk. Det vises til Klima- og miljødepartementets arbeid med å utvide ulvesonen, hvor Sametinget går imot forslaget om å utvide sonen. Jeg støtter denne skepsisen. Jeg viste innledningsvis til Sametingets omfattende virksomhet og tilsvarende store bevilgninger. Senterpartiet mener det er viktig å sikre Sametingets arbeid, og mener det er uheldig at bevilgningene til Sametinget ikke er pris- og Derfor har vi i Senterpartiets alternative budsjett foreslått nødvendige bevilgninger for å sikre dette. I fjor var det 25 år siden Sametinget ble opprettet, noe som markerer et tidsskille i forholdet mellom den norske stat og den samiske befolkningen. Det er klart at her er det en lang periode med en historie som den norske stat har veldig liten grunn til å være stolt av. av. Sametinget har gjennom de 25 årene utviklet seg og fått en posisjon ikke bare i det samiske og i det norske, men også internasjonalt blant urfolk, som jeg tror har gitt inspirasjon til mange. De samiske språkene er viktige kulturbærere, og det er viktig å sørge for en videreføring av samiske verdier og kunnskap mellom generasjonene. Språkene er små og sårbare, særlig sør- og lulesamisk, og det er derfor viktig å føre en politikk som sikrer de samiske språkenes framtid. Vi har et spesielt ansvar for å ta samisk i bruk i det offentlige rom – mer i bruk – og legge bedre til rette for samisk språk og bruk av samisk språk.

budsjettforliket fikk en styrking av støtten til den samiske dagspressen med 2 mill. kr. I det vi gjør som handler om å støtte opp under norsk film, er det viktig også å ha et godt grunnlag for samiskspråklig film. Venstre mener at staten har som rolle å sikre forutsigbarhet og mulighet for utvikling av norskprodusert og dermed også samisk film. Så har jeg lyst til å ta opp situasjonen omkring tre bygg. Sametinget er en viktig premissgiver for utvikling av samisk kultur. Samtidig har også nasjonale, regionale og lokale myndigheter et ansvar for å gi samisk kultur gode utviklingsmuligheter. Da har vi et spesielt ansvar. Det første er

statsbudsjettet. Når det gjelder Saemien Sijte, har vi også fått det inn i budsjettforliket, hvor det vises til at arbeidet med prosjekteringen er igangsatt. Vi forutsetter at regjeringen følger framdriften nøye og informerer Stortinget om framdrift i revidert nasjonalbudsjett for 2016. Det er viktig å styrke samisk som språk i kulturlivet, og da har også det samiske nasjonalteatret Beaivváš en viktig rolle i norsk scenekunst, både som nyskapende institusjons- og turnéteater og som ivaretaker og videreutvikler av samisk språk, kunst og kultur. Dette prosjektet trenger også støtte. Det er et samisk nasjonalteater som helt opplagt trenger et nybygg, og det er viktig å drive de prosessene framover til det også vil stå ferdig. Så til slutt noen ord om behovet for en norsk-finsk avtale om fisket i Tanaelva. Det har vist seg vanskelig å få til en enighet, og fra Venstres side har vi lagt vekt på at mens vi jobber med den enigheten, må man også allikevel handle. Vi har vært opptatt av at vi må få på plass et villakssenter i Tana, for å se om det er mulig å bygge opp en forvaltning nedenfra og opp

et land der vi har to folk, og at de er likestilt. Sametinget har en rekke veldig viktige oppgaver, det ser vi når vi leser årsmeldingen. Det er heller ikke tvil om at det er storsamfunnet har satt Sametinget i stand til å kunne fylle den rollen de har fått. Det handler om ressurser til å utføre den store og viktige oppgaven de har for å ivareta samisk språk og kultur, næring og levemåte i et storsamfunn der disse verdiene i mange, mange tiår har vært under sterkt press, og der ulike typer modernisering og sentralisering er med på dette presset. Det er grunnen til at SV i sitt alternative statsbudsjett har valgt å styrke Sametinget med 30 mill. kr i frie inntekter, som vi er helt sikre på at Sametinget er fullt ut i stand til sjøl å forvalte og bruke på de mest påtrengende oppgavene, som de også viser ganske godt til i denne årsmeldingen fra 2014. Ett av områdene der det er veldig viktig at vi får på plass en styrking, er samiske læremidler – at det er slik at når man går på skolen, får man læremidler på sitt morsmål. Det er et stykke igjen der, og det er dyrt å lage læremidler til et lite språk. Så er det flere kulturinstitusjoner som SV mener må styrkes. Det har vært nevnt Saemien Sijte, samisk dagspresse, Beaivvás samiske teater og den samiske skolen i Hattfjelldal, som det var en demonstrasjon om utenfor her i går, og som SV selvfølgelig mener vi burde beholdt. Konsultasjonsordningen har vært nevnt. Det er viktig, og jeg synes statsråden må ta på alvor de signalene som Sametinget gir, nemlig at de ikke føler at de blir tatt på alvor. Da vi diskuterte dette i fjor, tok jeg opp et problem som vi har tatt opp i SV, nemlig at det er mange departementer som har ansvar, og man skyver det litt mellom seg. Det er noen som på en måte må ta ansvaret for å prioritere opp det samiske i sluttrunden, for det er i sluttrunden av budsjettet det samiske taper, fordi det ikke er øverst på noen enkelt statsråds dagsorden. Det er egentlig kommunal- og ansvaret. Det betyr at kommunal- og moderniseringsministeren må ta dette på større alvor, slik at det samiske i hvert fall følger med utviklingen i de andre demokratiske organene vi har i dette landet. Til slutt: Det er behov for en egen stortingsmelding om sørsamisk språk, kultur og næring. SV har planer om å fremme et slikt representantforslag, og hvis det er andre partier i denne salen som kunne tenke seg å være med på det, er SV glad for det, for det er nødvendig å få det på plass. Det sørsamiske språket, kulturen og næringsveiene er ekstremt og de har lett for ikke å få nok oppmerksomhet i samepolitikken generelt. Fordi dette er ekstremt sårbare og små miljøer – slik som vi nå har sett med skolen i Hattfjelldal og hvordan det går når man er liten og ikke har mange talspersoner – betyr det at en god utredning om hva vi må gjøre for å lykkes med dette, kan vi risikere at disse småbitene som faller bort, en etter en, virkelig er med på å rive beina vekk under dette, for plutselig er det som er en viktig del av det norske samfunnet, den norske kulturarven og framtida, borte, og det må vi sikre ikke
Neste taler er statsråd

Derfor jobber vi målrettet for et åpent og inkluderende samfunn der alle føler tilhørighet. Vi ønsker et samfunn som er basert på demokratiske prinsipper, universelle menneskerettigheter og gjensidig respekt mellom individer og grupper. I et demokrati er ytringsfrihet umistelig. I Norge står ytringsfriheten sterkt, og det skal vi hegne om. Avisenes kommentarfelt vitner imidlertid om at samene, slik som andre minoritetsgrupper, utsettes for hets og hatefulle ytringer. Det er viktig at alle benytter sin ytringsfrihet til å ta til motmæle. Vi er bekymret over omfanget av hatefulle ytringer. Regjeringen lanserte derfor i november i år en politisk erklæring mot hatefulle ytringer. Samtidig ser vi at det er behov for aktive tiltak for å forebygge hets og trakassering og har satt i gang arbeidet med en strategi mot hatefulle ytringer. Sametinget vil være en naturlig samtalepartner i utarbeidelsen av denne strategien. Regjeringen arbeider nå med flere store saker som er viktige for samepolitikken. Dette gjelder bl.a. arbeidet med oppfølgingen av Samerettsutvalgets forslag om å lovfeste konsultasjonsplikten, en nordisk samekonvensjon, språkutvalget og en eventuell ny budsjettordning for Sametinget. Prosedyrer for konsultasjoner mellom statlige myndigheter og Sametinget er et av de viktigste rammevilkårene for å sikre samenes folkerettslige rett til deltakelse i saker som angår dem. Mitt hovedinntrykk er at konsultasjonene mellom regjeringen og Sametinget går stadig bedre. Selv om departementene og Sametinget ikke alltid klarer å oppnå enighet, har både Sametinget og departementene gitt tilbakemeldinger om at konsultasjonsprosedyrene bidrar til en økt forståelse for situasjonen og behovene i det samiske samfunnet. For meg er det viktig å understreke viktigheten av å ha god dialog med Sametinget også i saker hvor det ikke er konsultasjonsplikt. Det er bra at flere departementer har etablert faste møtepunkter med Sametinget. Jeg tror det vil bidra positivt for politikkutviklingen på det samepolitiske feltet at det er etablert arenaer hvor Sametinget og fagdepartementene kan reise ulike problemstillinger mer bredt.

Regjeringen satte høsten 2014 ned et utvalg som skal se på lovverket, tiltak og ordninger for de samiske språkene i Norge. Regjeringen vil vurdere lovregler og tiltak for samiske språk, herunder ordninger med et forvaltningsområde og prosedyrer for innlemmelse etter at språkutvalget har fremmet sitt forslag. Sametinget vil da bli invitert til konsultasjoner om disse tiltakene. La meg replisere til replisere til representanten Ola Elvestuen at det er gjort betydelig fremskritt når det gjelder avtale med Finland knyttet til Tanavassdraget. Målet har vært å redusere fiskepresset på laksebestanden og bedre lokalbefolkningens tilgang til fiske. Jeg mener det er bra at man nå har fått et solid grunnlag for en moderne og fremtidsrettet forvaltning av fiskebestanden i Tanavassdraget, som vil kunne være på plass fra og med 2017. La meg også til slutt si til representanten Lauvås at Sametinget og Sametingets representanter har god tilgang til regjering og departementer. Senest sist onsdag hadde jeg konsultasjonsmøte med Sametingets representanter. Sametingets representanter. De hadde også konsultasjoner med en rekke andre departement. At de velger å ha en markering utenfor Stortinget, tar jeg til orientering, men de har god tilgang til både statsråder og departement. Det blir replikkordskifte. Det er

truet. Hvordan mener statsråden, når han nå legger ned Sameskolen i Midt-Norge, at det vil bidra til å løfte sørsamisk språk og gjøre det mindre truet? Det spørsmålet er behandlet i Stortinget, og det er et flertall i Stortinget som har sluttet seg til regjeringens forslag. Skolen har ikke hatt elever Når skolen nå legges ned, er det helt åpenbart at rettighetene til elevene er akkurat de samme. Det er fortsatt flere andre skoler som gir fjernundervisning på sørsamisk, bl.a. grunnskoler både i Snåsa og på Røros. La meg også legge til at det ikke er mer enn to år siden Arbeiderpartiet gikk ut av Det er vår regjering som nå har satt fortgang i arbeidet med Samerettsutvalget, som kom i 2007, det er vår regjering som har fått fortgang igjen i arbeidet med nordisk samekonvensjon, det er vår regjering som har satt ned et språkutvalg for å styrke de samiske språkene, og det er vår regjering som fikk på plass et nytt kontorbygg for Sametinget. Så jeg reagerer på karakteristikken av regjeringens samepolitikk. Vi har en offensiv samepolitikk for å ivareta gode samiske rettigheter.

Nå så jeg noen av de elevene ute på bakken her i går, for jeg var ute sammen med dem og hørte på dem, og jeg så ikke statsråden der. Når det gjelder konsultasjonsavtalen, skriver man i årsmeldingen fra Sametinget at man er misfornøyd med hvordan den følges opp fra regjeringen. Da har jeg lyst til å spørre statsråden om han merker seg det, om han tar til seg det, og om han forsøker å gjøre det bedre – altså følge opp den avtalen bedre, slik at man får en konsultasjonsavtale som begge parter mener fungerer bra, og ikke bare den ene parten. Nå er det ikke slik at det bare er den ene parten som mener at det er gode konsultasjoner. Jeg har konsultasjonsmøter med sametingspresidenten, og sametingspresidenten har bekreftet at det er god dialog med flere departementer. Så vet vi også at på enkelte områder fungerer det ikke så godt som det burde gjøre. Det er bl.a. grunnen til at vi har hatt et eget seminar, hvor Sametinget også har deltatt, hvor vi har veiledet departementene om hvordan konsultasjonene skal fungere godt, og hvordan de kan fungere enda bedre. Det er grunnen til at vår regjering nå har tatt opp igjen arbeidet med Samerettsutvalget, som kom allerede i 2007, hvor vi har veiledet departementene om hvordan konsultasjonene skal fungere godt, og hvordan de kan fungere enda bedre. Det er grunnen til at vår regjering nå har tatt opp igjen arbeidet med Samerettsutvalget, som kom allerede i 2007, som bl.a. handler om hvordan vi kan få til en bedre konsultasjonsordning. Så dette står høyt på min dagsorden. Det er viktig for departementene, også fordi departementene erfarer at gode konsultasjoner og gode dialoger gir bedre resultater. Det er i vår interesse at det er god dialog med Sametinget. Den kan selvsagt bli

I tillegg har vi satt ned et utvalg som nå ser på hvordan vi kan styrke samiske språk. Jeg ser frem til å få den innstillingen, for jeg er helt enig med representanten i at språk er en viktig del av både kultur og tilhørighet, og derfor blir det prioritert. Sameskolen i Midt-Norge har tilpasset seg den moderne verden. Samiske unger slipper å flytte hjemmefra og bo på internat fra de er

går. Én ting er at dette kommer som et budsjettkutt uten at det er konsultert med Sametinget, men det er heller ikke skissert noen plan B. Altså: Hvem skal ivareta disse ungene og de rettighetene de har til å få undervisning på sitt morsmål? Er det Røros og Det er ikke noe styrking av budsjettmidler. En kan ikke forvente at disse institusjonene skal klare å overta denne elevmassen uten at de får budsjettstyrking. Eller er det sånn at disse ungene skal bli nødt til å reise på internat og være borte fra foreldrene sine hele

fordi det er så små og sårbare miljøer og utfordringene der kan være litt annerledes enn i Troms, Finnmark og Nordland, men også fordi det kan hende det må andre virkemidler til for å sikre verdier som er så som er så sårbare, og der miljøene er så små. Det kan derfor tenkes at både regjering og storting er nødt til å gå inn med andre typer tiltak enn det som passer ellers. Er statsråden innstilt på å se på en slik mulighet? La meg si at jeg er enig i at det er viktige problemstillinger – både språk, kultur og næringsvei i de sørsamiske områdene og i andre områder. Jeg er mer i tvil om en egen stortingsmelding er svaret. Vi jobber nå med store, viktige samepolitiske spørsmål. Oppfølgingen av Samerettsutvalget er en stor oppgave, og det vil jeg gi prioritet. Vi jobber med språkutvalget, vi jobber med nordisk samekonvensjon. Det er store, viktige saker som har høy prioritet i departementet. Så kan vi diskutere hvordan vi skal bidra til å styrke samisk språk, kultur og næringsvei i de sørsamiske områdene, men jeg er mer i tvil om en stortingsmelding er svaret på de utfordringene. Nå har jeg forstått hvorfor skolen er

samme. Hvis det fortsatt er sånn at man tror at her er det et skoletilbud som ikke har elever, vil jeg anbefale statsråden å ta seg en tur til Midt-Norge, til Hattfjelldal, og se hva tilbudet er. Jeg sto utenfor her i går sammen med disse elevene, og hvis jeg ikke hørte feil, var det 49 elever som ble undervist via Hattfjelldal. Og det er faktisk ikke bare å løfte dem ut – det er ikke kapasitet. Så kan jo selvfølgelig ministeren bare løfte ansvaret over til Fylkesmannen i Nordland, men problemet er jo ikke løst for det. En kan løse det med språket via fjernundervisning, men en klarer ikke å løse det med kulturen og den biten som ligger der. Vil ministeren på nytt se på Sameskolen i Midt-Norge i Hattfjelldal? Hvis det er slik at representanten har tatt spørsmålet opp med kunnskapsministeren, og kunnskapsministeren har bekreftet at han vil se videre på spørsmålet, så er det kunnskapsministeren som besvarer det spørsmålet. så er det kunnskapsministeren som besvarer det spørsmålet. Så representanten må forholde seg til kunnskapsministeren når det gjelder skolen i Hattfjelldal. Det jeg har vist til, og som også kunnskapsministeren har vist til, er at skolen ikke har hatt faste elever siden 2011. Vi har også vist til at elevenes rettigheter vil bli ivaretatt. Og kunnskapsministeren har varslet at han vil ha dialog med Sametinget i den videre prosessen.

minoriteter. I Norge har vi én minoritet. Det er den samiske befolkningen. Den samiske befolkningen har fått sin tydelige beskyttelse i Grunnloven, som sier at Norge består av to folk. Den samiske befolkningen har dermed de samme rettighetene som det som kalles for den etnisk norske befolkningen. Det skal – tilsynelatende – ikke være noen uenighet om det. Jeg vil dog minne Stortinget om den diskusjonen som vi hadde i forbindelse med grunnlovsbehandlingen forrige gang, hvor et flertall dessverre avviste en styrking av det som kan kalles for sameparagrafen i Grunnloven. Nå har Sametinget sagt sitt om det og foreslått en styrking av Grunnlovens paragrafer. Det kommer Arbeiderpartiet for sin del til å foreslå for Stortinget, slik at det neste storting kan behandle den saken. Så vil jeg slutte meg til det som representanten Elvestuen sa. Han holdt det helt riktige innlegget. Toskedal gjorde også det. Nå snakker vi i denne debatten særlig om den sørsamiske skolen i

ned. Nå skal vi alle sammen, iallfall vi som er til stede her i salen nå, merke oss at nå sitter Fremskrittspartiets representanter musestille. De deltar ikke i denne diskusjonen. Det er kanskje fordi de skammer seg litt? Det bør de egentlig gjøre, for det er de som presser fram denne typen ting, knyttet til at vi ikke skal bevilge penger til en minoritet blant minoritetene. minoritetene. Jeg skulle ønske at statsråd Sanner kunne rette ryggen og si at nei, dette går ikke allikevel, og ikke bruke alle disse byråkratiske argumentene som han gjør her, som er typisk for den typen argumentasjon som man bruker når man ikke skal ta hensyn til minoritetsinteresser, og dekker seg bak det. Det er et eller annet i byråkratiet som har lært dem den setningen. Det er ikke nødvendig. Stortinget burde rett og slett behandle dette på en effektiv måte og si at vi kan ikke gjøre sånne feil som det når vi snakker pent om å ivareta minoritetenes interesser og deres språk, som jo er forutsetningen for deres fortsatte kunnskap og virke. Jeg vil først takke representanten Kolberg for å ville ta opp et grunnlovsforslag, som SV også støtter og er

Markeringen var mot regjeringens samepolitikk, utløst av nedleggelsen av Sameskolen i Hattfjelldal. Det er ikke ofte at representanter for det samiske folk ser seg nødt til å ta turen til Eidsvolls plass for å stå utenfor Stortinget. Gårsdagens krav og appeller var verdt å lytte til. Talene var klare, og jeg fikk en fornemmelse av at en dråpe er i ferd med å lande i et beger som begynner å bli temmelig fullt. fullt. Jeg registrerer at regjeringen har lagt fram et budsjett for norsk vekst og for samisk kutt. Jeg registrerer en kritikk fra Sametinget om en opplevelse av at gjentatte ganger overholdes ikke konsultasjonsavtalen, og jeg registrerer at viktige prosjekter som Bååstede – «tilbake» – og Várjjat Siida ligger helt lydløse, helt stille. stille. Jeg blir også kontaktet av forskjellige representanter – av sjølaksefiskere, som er viktige bærere av den sjøsamiske kulturen, og som opplever at deres næringsgrunnlag er truet, og jeg blir kontaktet av foreldre som daglig må føre en knallhard kamp for at ungene deres skal få helt avgjørende og grunnleggende rettigheter innfridd, nemlig språkopplæring og kjennskap til sin kultur. Som minoritet utsettes det samiske folk for et press av majoritetssamfunnet. Vi ser det i bruk av natur og naturressurser, vi ser det i bestemmelser og at av og til overdøves stemmer, vi ser det i form av at det å kjempe for sitt eget rom og for språk og kultur i et majoritetssamfunn kan være krevende. Da er det nedslående at stortingsflertallet velger å legge ned en sørsamisk skole. Det er en gruppe som virkelig er under sterkt press. press. Så er det interessant å høre at statsråden opplever situasjonen veldig annerledes enn representanter for det samiske samfunn. Jeg vil gjerne utfordre statsråden til å dele noen tanker rundt det for å se om han ser for seg en forvaltning av Tanavassdraget som ivaretar sjølaksefiskerne, om språk og kultur blir tilstrekkelig ivaretatt, og om de samiske stemmene faktisk blir hørt.
Neste taler er

sist det samiske folket mobiliserte utenfor Stortinget, var ved Alta-aksjonen. I tillegg ser vi at de har en egen Facebook-side som heter Stopp nedleggingen av Sameskolen for Midt-Norge! – som snart har 2 100 tilhengere på en uke. For dem som var her i går, var det ikke bare å hoppe på trikken ned hit for å demonstrere – de har en reiseveg på 100 mil hver Jeg tror det også er svaret på hvorfor dette ikke nådde fram i budsjettet. Det er noe som er langt borte, en minoritet som vi ikke behøver å bry oss så mye om. Som jeg sa i gårsdagens debatt, og som jeg står for: Jeg synes dette er smålig av regjeringen og av støttepartiene, som gjorde at vi ikke fikk til et flertall. Vi har et statsbudsjett på

fjernundervisning. Grunnen til at det er samlingsbasert, er at dette opplegget ikke bare går på språk, det går også på kultur og de bitene man skal lære seg. Jeg ser også at det var stort flertall i merknadene her i dag, det er bare synd at det ikke nådde fram da pengene skulle finnes fram. For Kristelig Folkeparti er

Jeg vet ikke om representanten Greni har lest Kristelig Folkepartis alternative statsbudsjett, men det er der Kristelig Folkepartis primærpolitikk kommer til uttrykk. Hvis hun hadde lest det dokumentet, ville hun sett at Kristelig Folkeparti ikke ønsker å kutte bevilgningen til Sameskolen, men at vi ønsker å opprettholde den skolen. Men Kristelig Folkeparti har ikke flertall alene i denne salen, og vi har inngått et budsjettforlik som vi stiller oss bak, men som også innebærer en del saker som vi skulle ønske så annerledes ut. Denne nedleggelsen av Sameskolen er en av de sakene. 3,3 mill. kr er ikke mye penger i statsbudsjettsammenheng. Når regjeringspartiene og regjeringen allikevel ikke er villige til å gå med på dette i forhandlinger med Venstre og Kristelig Folkeparti, tror jeg ikke det først og fremst handler om økonomi – jeg tror det handler om en vurdering fra regjeringens side om at det faktisk er fornuftig politikk å legge ned Sameskolen. Det er en vurdering som Kristelig Folkeparti ikke deler.

denne saken tett, og at vi skal ansvarliggjøre kunnskapsministeren når det gjelder å oppfylle disse løftene. Hvis det skulle vise seg at det ikke er mulig å opprettholde et like godt alternativ innenfor de andre utdanningstilbudene som finnes i dag, så forutsetter jeg at kunnskapsministeren og regjeringen vil være villige til å se på dette på nytt.

Det kan være argumenter for, og det kan være argumenter mot nedleggelsen av den skolen, men skolen selv og dens elever sier: Dette må dere ikke gjøre. Vær så snill å ikke gjør det. Vi er en liten minoritet. Ikke skad oss på denne måten. Sametingets representanter er unisone. Det er derfor de har møtt opp her. Det er derfor de har kommet. De sitter og nikker nå. Og så skal vi som det norske parlamentet si: Nei, dette er ikke viktig fordi det er inngått et forlik som handler om at vi ikke skal bevilge disse 3,3 mill. kr til disse elevene innenfor den norske velferdsstaten. Dette må vi rett og slett ikke gjøre. Jeg forstår situasjonen til Kristelig Folkeparti og Venstre. De er en del av et forlik. Jeg vet veldig godt hva det handler om, og hva det representerer. Men man bør ikke gjøre denne typen feil, som konkret rammer en liten og meget sårbar gruppe, når samenes representanter sier: Vær så snill å ikke gjøre det. Så skal vi i vår politiske arroganse si: Nei, det er det ingen grunn til å høre på, for den rettigheten blir ivaretatt på en eller annen måte – som elevene selv sier er feil. Det var derfor jeg sa i stad: Kan vi ikke rett og slett gå opp å si dette biter vi i oss? Det mener jeg. Det er en smal sak for oss å klare det hvis vi vil det. Det er ikke fordi jeg, Arbeiderpartiet eller andre har behov for å vinne en seier i dette av symbolsk karakter. Men hvis vi får med på kjøpet at vi duperer de holdningene som Fremskrittspartiet har i slike budsjettforhandlinger, tar jeg gjerne det med på kjøpet.

særlig den plassen de har i Grunnloven. Jeg har min rolle i den egenskap jeg har, og det er derfor jeg virkelig kjører på i denne saken. Kan vi ikke rett og slett ta oss sammen nå og sørge for å stemme inn det vedtaket,

når det gjelder minoriteter i dette landet. Representanten Kolberg burde hatt såpass med utdanning og kunnskap om sitt eget partis historie at han holdt seg for god til å synke til et slikt nivå, i et råpopulistisk forsøk på å redde noe for samefolket fordi han har litt publikum her i dag. Dersom vi studerer Norges historie og hva slags overgrep minoriteter er utsatt for, så klarer man å legge seg på det lavmålet som representanten Kolberg gjør, og beskylder Fremskrittspartiet for å ha fått gjennomslag – for at vi skulle ha noe imot samiske minoriteter eller andre minoriteter. Fremskrittspartiet har vært for og er for samisk språk, kultur, tradisjon og næringsveier. Vi har hatt et annet prinsipielt syn på om det er riktig at man har to parlamenter, to nasjonalforsamlinger, i én nasjon. Det er noe vi har ment før, det er noe vi mener nå, og det er noe vi kommer til å mene i framtiden. Dette spørsmålet ligger fast i regjeringserklæringen, og derfor er det ikke en del av debatten her i dag. Konsultasjonsordningen ligger fast. Sametingets organisering slik den framgår og har vært hittil, ligger også fast. Men å komme med den typen beskyldninger for å prøve å skåre et billig poeng fordi man er ruset på seg selv fordi man plutselig har fått noen tilskuere på benken her, det er så lavmål at jeg ikke hadde forventet noe slikt fra representanten Kolberg. Kolberg. Igjen vil jeg oppfordre representanten til å lese Norges historie og lese sitt eget partis historie før han begynner å snakke om skam når det kommer til behandling av minoriteter i dette landet. Representanten Martin Kolberg har hatt ordet to ganger tidligere og får ordet til en kort merknad, Presidenten vil bemerke at man skal være varsom med karakteristikker av medrepresentanter. Jeg er enig i det. Jeg har folkeskolen fra Egge skole i Lier. Ettersom Keshvari henviste til min utdanning, kan jeg opplyse om det. Det er den utdanningen jeg har. Men der lærte jeg én ting: Jeg lærte forskjell på rett og galt. Det er det fundamentale for en jeg én ting: Jeg lærte forskjell på rett og galt. Det er det fundamentale for en politiker. Så hører jeg hva Keshvari sier, og jeg vet ikke riktig helt hva det betyr, men betyr det egentlig at han prinsipielt er for, er jo mye løst. Da skjønner jeg ikke hvorfor vi er i denne situasjonen overhodet.

Man gjør altså ting i helt motsatt rekkefølge. Det er et håp i det at kunnskapsministeren har sagt at han skal se på dette, men da har man tida fram til sommeren, for man legger vel ikke ned en skole midt i et skoleår. Det betyr at revidert og at regjeringen da må se på dette i sin helhet. Her tror jeg vi rammes av nettopp det jeg sa i mitt innlegg, nemlig at det er ulike statsråder som har ansvar for ulike biter av samepolitikken, at ingen tar det helhetlige ansvaret og ser hva som er resultatet til slutt at ikke den ene lille biten man fjerner her, og den andre man fjerner der, i ulike budsjettforlik, til slutt ender opp med et resultat som river beina vekk under viktige institusjoner som skal bevare små språk og gi ungdom som har urfolksbakgrunn, mulighet til et likeverdig skoletilbud på egne premisser og på eget språk. Det er det denne saken handler om. Jeg har ingen forhåpninger om at et parti som Fremskrittspartiet, som vil legge ned Sametinget, som har vært mot opprettelsen av det, og som ikke vil anerkjenne at det er et urfolk, forstår dette. Men jeg hadde forventet at en minister fra Høyre, en erfaren minister som Sanner er, hadde sett dette og hadde sagt, i likhet med kunnskapsministeren, at dette er vi nødt til å se på en gang til.

håndtering av viktige samiske institusjoner mellom de ulike departementer risikere at noe så viktig som f.eks. skolen i Hattfjelldal forsvinner, før man har gjort utredninger som skal danne grunnlag for det undervisningstilbudet man skal gi i ettertid. Jeg håper at man i løpet av våren kan finne en løsning på dette, for det må vi. Dette er en skole som vi ikke kan legge ned.

at regjeringen har satt ned et språkutvalg som skal se på gjeldende ordninger, tiltak og regelverk for alle de samiske språkene. Dette er også et tydelig punkt i regjeringserklæringen, at vi ønsker å styrke de samiske språkene, fordi samisk språk er en viktig del av kultur og tilhørighet.

registrerer også at Karin Andersen påpeker at det er ingen som har et helhetlig ansvar for samepolitikken. Jo, jeg har det. Jeg har et overordnet samordningsansvar for samiske spørsmål. Det er i tillegg slik at de enkelte departementer har et sektoransvar. Nå er vi inne i en diskusjon med Sametinget om hvorvidt vi skal samle flere av bevilgningene på én post, eller om det skal være slik det er i dag: på de ulike departementene. Jeg ser både fordeler og ulemper med å samle, så vi har ikke tatt stilling til om vi skal gjøre det. Det kan være en fordel fordi man har mulighet til å se bevilgningene under ett, men det kan også være en ulempe fordi man svekker sektoransvaret. Det er også en fordel knyttet til at en statsråd som har ansvaret for kunnskapspolitikk, også har ansvar for også har ansvar for samisk språk og undervisning. Så det er en avveining med ulike argumenter. Vi går inn i den diskusjonen, og vi skal konsultere og ha god dialog med Sametinget om de spørsmålene. Helt til slutt: Jeg synes det er flott at vi kan ha en god debatt om disse spørsmålene. Men jeg mener at man også skal legge vekt på at det denne innstillingen først og fremst viser, er at det aldri har vært så bred enighet om en del av de grunnleggende forutsetninger for den samiske politikken, som det det er i dag. Det fremkommer også tydelig av innstillingen at regjeringen nå har tatt tak i mange av de store, tunge og viktige spørsmålene: Samerettsutvalget, nordisk samekonvensjon, språkutvalg – viktige spørsmål hvor vi har, og fortsatt skal ha, god dialog med Sametinget.
Neste taler er

som også noen av oss stemte for bevilging til, men ble nedstemt. Men til det helhetlige ansvaret vi har for de samiske språk: Det nordsamiske språket blir brukt ganske mye, det skoltesamiske og lulesamisk mindre, og meg bekjent er det vel nå ingen aktive brukere av pitesamisk igjen i Norge – unnskyld, to; da bommet jeg litt der. Og vi har altså sørsamisk, som er et veldig truet språk. Det er faktisk ganske stor forskjell på de språkene, og vi vil bli utrolig fattig som nasjon hvis vi, denne generasjonen politikere, ikke sørger for at det mangfoldet vi har av språk innenfor Norges grenser, blir ivaretatt. Det er derfor vi synes skolen i Hattfjelldal er viktig, men det er også andre tiltak som er viktige. Så er det riktig, som både Karin Andersen og statsråden sier, at det noen ganger kan være utfordrende å få til en helhetlig samepolitikk som inkluderer kultur, språk, næring osv., ved at det ligger i flere departementer. Jeg har selv hatt gleden av å være statsråd med ansvar for dette området. Da lå det i Arbeids- og inkluderingsdepartementet. Jeg hadde gleden av å få lov til å få flere departementer til å bidra til å høyne statusen

før det er for sent. Det er fint å ha et utvalg som skal gå gjennom hvordan vi skal ta vare på de samiske språkene. Det er bra. Men det er kanskje ikke spesielt lurt å starte det arbeidet med å legge ned en av de skolene som ivaretar ett av de samiske språkene som er veldig marginalt når det og som er verdt å ta vare på. Det ansvaret bør vi i fellesskap ta, og jeg håper statsråden kommer tilbake i revidert budsjett med en løsning på dette spørsmålet.

De mener at det er å diskriminere å gi penger til samiske barn og til samiske læremidler, og de vil ha slutt på den type særbehandling. Derfor anser de at «bevilgninger som vedrører grunnskoleopplæring og videregående opplæring, og som kanaliseres via Sametinget, opphører gjennom en avviklingstid over tre måneder». Nå leste jeg fra innstillingen til budsjettet som gjaldt for 2013. Denne merknaden leverte Fremskrittspartiet hvert eneste år i forrige stortingsperiode og – så vidt jeg vet – også hvert eneste år i perioden før den. Derfor har statsråd Jan Tore Sanner i og for seg rett når han sier at det aldri har vært så bred enighet om samepolitikken – for Fremskrittspartiet har snudd totalt og bør ikke være overrasket over at de blir angrepet fra Stortingets talerstol når det gjelder samepolitikk, med den historikken de har fra tidligere.

uttalelse om at sørsamisk er et alvorlig truet språk. Allikevel klarer ikke dette brede flertallet å si at vi legger 3,3 mill. kr på bordet, vi redder denne skolen. Det er veldig synd, når jeg oppfatter at det er et faktisk flertall her i salen som mener at det ville vært klokt, nyttig og fornuftig – og så skal ikke Norges nasjonalforsamling klare å få til dette. Det er en snodig situasjon. Jeg kunne tenke meg at statsråden kanskje kunne kommet opp og sagt at etter å ha tenkt seg litt om vil han gå til sin kollega Røe Isaksen i morgen og si at nå må vi sette oss ned, ta en kopp kaffe – vi rydder opp i dette. Det ville tjent statsrådene til ære, og det ville vært en nyttig og flott julepresang til dem som

ein får det ein er

er da
opp der ute

næring,

Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Kristelig Folkeparti som står bak innstillingen. Presidenten antar at Høyre og Fremskrittspartiet ønsker å stemme imot. Venstre, Sosialistisk Venstreparti og Miljøpartiet De Grønne har varslet støtte til innstillingen. Det voteres over komiteens innstilling til rammeområde 5, II–IX og XI–XIII. Presidenten antar at alle nå vil stemme for innstillingen. Under debatten er det satt frem i alt tre forslag. Det er